få bekreftet, om de forbeholdene som egentlig ligger i den saken vi skal behandle etterpå, er vekk, fordi saken har utviklet seg underveis, og om statsråden virkelig har ment å være så tydelig som han har vært – at hans ambisjon er at Steinberg stasjon skal gjenåpnes. Hvis den ambisjonen er så klar og tydelig at det kommer til å skje, men at det bare blir en liten forsinkelse, så kanskje vi kan tilgi det. Da har statsråd Ketil Solvik-Olsen tegnet seg til innlegg. Presidenten har både kveld og natt foran seg, så vi kan holde på lenge her. Når Stortinget spør, skal Stortinget få svar. Grunnen til at en ikke gjenåpner i 2014, er at forutsetningen som de rød-grønne la inn – jeg understreker at de rød-grønne la det inn, men de har altså ignorert det fullstendig i denne debatten – var at simuleringen til Jernbaneverket skulle vise en robust Det gjorde ikke simuleringen, og derfor kan en ikke gjøre dette fra 2014, med mindre en tar risikoen på store forsinkelser. Den risikoen vil ikke jeg ha, fordi jernbanenettet på hele Østlandet handler om mer enn én stasjon. Når det gjelder dobling av Sørlandsbanens avganger, minner jeg bare om at det er ikke snakk om at to timers frekvens med avgang fra Kristiansand er to timer også om natten. Det er jo snakk om å prøve å ha en to timers frekvens når folk normalt er oppe og skal reise til jobb. Derfor vil altså ikke vi sette inn tog som går kl. 00.30, kl. 02.30 og kl. 04.30 – vi vil sette inn tog som går når folk pendler. Derfor er det der problemet er. De fleste togene har veldig mye ledig kapasitet på Sørlandsbanen om natten, så da hadde ikke Steinberg stasjon vært et problem. Men hvis en skal ha de togene til å gå når andre folk også tar lokaltogene, når det er ekstra rushtidstog, da så det er oppklart. Her burde ikke representanten Myrli se noen problemstillinger. Når det gjelder det jeg har sagt, står jeg ved det. Men jo lenger vi har jobbet med dette, jo mer robust ser vi at den løsningen regjeringen har, fungerer. Men vi har altså måttet begynne ganske på scratch med å finne de løsningene. Derfor har vi ikke vært så skråsikre på hvor vi trodde dette skulle ende til å begynne med. Men når vi ser hva som er mulig, er vi ganske trygge på at dette skal vi gjøre. Men jeg gjentar likevel det som er forutsetningen, at prøveordningen vil vise om dette er så robust som det vi tror det er. Vi vil heller se virkelighetens resultat enn bare å se på modellene. Skulle vi bare stolt på modellene her, sånn som de rød-grønne forutsatte, hadde vi ikke gjenåpnet Steinberg stasjon. Det ville også vært forutsetningen fra de rød-grønne. Vi gjør tiltak, vi skal se erfaringene, og så håper jeg at fra sommeren 2015 er Steinberg stasjon i regulær drift. Men vår vilje til å få til dette er jo fundamentert allerede fra 18. august, når togene begynner å stoppe igjen. Hvis vi ikke hadde til hensikt å ha stasjonen åpen, hadde vi heller ikke satt inn innsatstog på den stasjonen. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

en oppdatert kostnadsramme. Disse forslagene har komiteens enstemmige støtte. Når det gjelder punktet om Vestfoldbanen og Steinberg stasjon, oppfatter jeg det sånn at Stortinget gjennom den siste debatten vi hadde her i sted, har fått godt belyst partienes standpunkter, og jeg trenger ikke å redegjøre nærmere for det. Også på de punktene hvor komiteen er uenig, vil det enkelte parti komme tilbake til det. I denne proposisjonen legges frem de første statusrapportene for regjeringens arbeid med organisering av hele samferdselssektoren. En av dem er orienteringen om et veiselskap, et veiselskap som skal bygge ut vei mer helhetlig, gi mer effektiv ressursbruk og større satsing på de mest samfunnsøkonomiske og lønnsomme prosjektene. Det denne proposisjonen gir et veldig klart inntrykk av, er at nå skjer det veldig mye på samferdselsfeltet. Det er klart at det er en ny politikk, men jeg tror også vi har en regjering og en samferdselsminister som inspirerer

prosjektfinansiering. To måneder senere lanserte NAF sitt helhetlige forslag til hvordan et nytt veiselskap skulle se ut. Nylig presenterte også Flytoget hvordan de ville omorganisere jernbanen, på et møte med transportkomiteen. Det er åpenbart at den rød-grønne endringsvegringen har ført til at mange ideer har forblitt nede i skuffen, og at endringsviljen hos det nye borgerlige flertallet er helt tydelig. Det er også grunnen til at det kommer mange innspill til oss her på Stortinget. Man ser at det ikke er alt man har gjort tidligere, som har vært optimalt. Man ser at man kunne fått mer ut av hver bevilget krone. Jeg forventer ikke at Arbeiderpartiet eller de andre partiene fra den rød-grønne regjeringen skal støtte alle de nødvendige endringene vi må gjennomføre, men det forundrer meg at det gjør så lite inntrykk på de rød-grønne samferdselspolitikerne når organisasjon etter organisasjon, når ekspert etter ekspert innen transportsektoren, kommer og ber om endring, at Arbeiderpartiet har så lett for bare å se bort fra det. Et eksempel på det er en av dagens saker i NRK. Når de fire samarbeidspartiene går sammen om å ønske en helhetlig OPS-strategi, og vi har store forventninger til regjeringens arbeid med å bygge vei og bane ved bruk av OPS, er det en kontant avvisning fra Arbeiderpartiet. Representanten Sund sier: «Om man kaller det OPS, veiselskap eller fond så er dette et forsøk på å innbille folk at man skal bygge mer og billigere bare fordi man kaller det noe annet.» Jeg synes det er synd at man med en gang vi har en regjering som ønsker å gjøre ting på en annen måte, som tar aktørene på feltet på alvor, og som ønsker å bygge raskere, mer helhetlig og billigere, blir det kontant avvist, og det kommer sterk kritikk gjennom merknadene i denne saken.

og at regjeringen skal fremme forslag om en egen strategi om dette overfor Stortinget. Fra Arbeiderpartiets side vil vi utrykke en skepsis til tradisjonell OPS-utbygging. Vi mener at OPS-prosjekter ikke er en framtidsrettet og moderne måte å organisere og finansiere samferdselsprosjekter på. OPS kan sammenlignes med å kjøpe på kreditt. Det er en lånefinansiering som skal betjenes av framtidige bevilgninger og framtidige generasjoner. I de aller fleste sammenhenger er det dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant, samt at privat finansiering av offentlige veianlegg gir større kostnader, som til syvende og sist må betales av fellesskapet. Nå har komitélederen og saksordføreren vist til hva andre har sagt, og da må jeg si: Hva er det andre sier om OPS? I dag tidlig sa til og med bilistorganisasjonen NAF at det er viktigere med smart veiutbygging enn at private skal bygge mer vei – staten må jo uansett ta regningen. I Sverige raljerer Moderaternas – søsterpartiet til Høyre – finansminister Anders Borg over OPS. Han sier at private selskaper vil låne ut penger til oss for at vi skal betale en høyere rente, og for at de skal få en avkastning, men at det fører til at infrastrukturprosjekter blir mye, mye dyrere.

Men det er kanskje nettopp det som er Høyres beveggrunn, at noen private selskaper skal kunne skumme fløten av fellesskapets midler. Det med ekstra finanskostnader og OPS bør særlig Fremskrittspartiet og statsråden merke seg. Fremskrittspartiet er jo nettopp det partiet som er opptatt av å spare bilistene for unødige kostnader. Et stikkord her er rentekompensasjonsordningen for bompengelån, som de jobber med. Når Arbeiderpartiet sier nei takk til OPS,

Når det gjelder regjeringens ønske om å opprette et eget utbyggingsselskap for vei, har Arbeiderpartiet ikke tatt stilling til det ennå, fordi vi ikke har fått noen informasjon om hvordan en eventuelt skal organisere dette selskapet. Vi forutsetter derfor at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. Arbeiderpartiet er også positive til at regjeringen er opptatt av tiltak for å effektivisere og forbedre bompengesektoren. Mange av tiltakene i den såkalte bompengereformen til Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ble faktisk lagt fram av den rød-grønne regjeringen i siste NTP. Sentrale elementer for effektivisering i den vedtatte NTP-en var å slå sammen bompengeselskaper og samordne takst- og rabattsystemer. Jeg vil også framheve vedtaket om å innføre obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, noe som ikke minst er viktig for å sørge for likeverdige konkurransevilkår innenfor transportbransjen. Vi i Arbeiderpartiet mener at innføring av obligatoriske brikker i alle kjøretøy og som betalingsform på riksveiferjene må ha høy prioritet. Videre har vi merket oss regjeringens arbeid med den varslede rentekompensasjonsordningen, som per nå ser ut til å bli en annen og mer byråkratisk metode for å tilføre mer statlig kapital til veiprosjektene. Vi vil derfor avvente å ta stilling til en slik ordning inntil regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et mer konkret forslag. Dette vil vi også få drøftet litt nærmere på torsdag i forbindelse med behandlingen av Harstadpakken. Jeg synes det er greit at regjeringen får gjøre det på den måten de vil. Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha mest mulig vei og bane ut av de pengene vi bruker.

de store strukturendringene – og ikke minst ta i bruk nytt verktøy som aldri har ligget i verktøykassen til den forrige regjeringen. Jeg vil omtale noen av punktene. Vi kan godt få en strategi for bruk av OPS-samarbeid innen samferdselssektoren – gjerne på nye områder, som f.eks. innen luftfarten. Men vi i Fremskrittspartiet ønsker også å ta i bruk statlig, langsiktig lånekapital med en rente som er brukbar med hensyn til å investere i infrastruktur.

At Avinor i tillegg får endret utbyttepolitikken, tror vi vil stimulere og gi bedre incentiver for å drive kostnadseffektivt. Så til en av hjertesakene for oss i Fremskrittspartiet, nemlig veiselskapet. Selskapet skal ikke ha oppgaver utenfor det transeuropeiske transportnettet, og med en finansiering per i dag innenfor handlingsregelen. Kapitaltilgang fra andre kilder, som deler av årsavgiften, Veiselskapet har som hovedmål å bygge mer vei, bedre vei og ikke minst helhetlige, lengre strekninger. Veien skal knytte sammen vekstområder, være samfunnsøkonomisk lønnsom og ha en standard som er framtidsrettet. Både ÅDT-tall og veinormer skal være realistiske i forhold til reelle prognoser. Det kommer også en bompengereform. Målet med denne er nettopp å få bort skyhøye administrasjonskostnader og ineffektive innkrevingsmetoder og samordne takst- og rabattsystemer som alt i alt kommer bilistene til gode, enten med lavere satser, med kortere nedbetalingstid eller på en annen egnet måte som tjener brukerne. Den store samordningen og satsingen på trafikksikkerhet er det tverrpolitisk enighet om. i Fremskrittspartiet er overbevist om at med den oppgraderingen og takten i veibygging som nå er på trappene, vil vi kunne se at antall drepte og hardt skadde vil gå ned i årene som kommer. Det er flere punkt hvor hele komiteen er samstemt. Vi i Fremskrittspartiet er iallfall sikre på at verktøyene vi nå legger inn i kassen, vil gi et løft til hele samferdselssektoren – både for Venstres representant i Kristelig Folkepartis representant på toget, Senterpartiets representant på traktor, Arbeiderpartiets representant i en Volvo, SV på sykkel og Miljøpartiet De Grønne til fots. Og hva med regjeringspartiene? Jo da, de cruiser på E39 i en Dodge Viper. Vi står overfor store utfordringer på samferdselsområdet, det tror jeg vi er

Erfaringene viser at dette har vært et effektivt verktøy. Spesielt godt dokumentert er det når det gjelder å få ned byggetiden. Vi tror at denne utbyggingsformen med fordel kan tas i bruk i flere sammenhenger, både på vei og jernbane, og at det vil redusere byggetid betydelig. Vi har derfor gått sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om å be regjeringen om å fremme en strategi for bruk OPS i utbyggingen av infrastrukturtiltak. Også etableringen av utbyggingsselskap for vei kan bli et viktig virkemiddel som kan bidra til mer fart i veiutbyggingen. Men det er noen viktige forutsetninger som må på plass for at dette skal bli effektivt. Ikke minst må det rigges med en egenkapital som kan gi selskapet muskler til å kunne gå ut i markedet og skaffe de pengene som skal til for å gjennomføre prosjektene. Det må også tilføres noen årlige inntekter som setter dem i stand til å betjene de løpende kapitalkostnadene, og fra Kristelig Folkepartis side er det viktig at infrastrukturen kan bli mer helhetlig, og at utbyggingstiden kan kortes ned gjennom etablering av veiselskapet. Vi tror på verktøyet, men vi tror det er viktig at det innrettes på rett måte for at dette skal kunne bli effektivt. Ny tilskuddsordning for gang- og sykkelvei ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. I Kristelig Folkeparti er vi glade for at en nå i forhandlingene om revidert har fått på plass de første millionene til ordningen. Det er viktig at dette blir en ordning som alle kommuner og fylkeskommuner kan søke på. I dag har de større byene og byområdene forskjellige typer avtaler som gjør det mulig å bygge gang- og sykkelveier med en viss andel statlig finansiering. Det vi snakker om her, er imidlertid en ordning som skal gjelde hele landet. Men for at dette skal kunne bli virkningsfullt, er det nødvendig med et skikkelig påfyll på denne budsjettposten fra neste års budsjetter. Det forventer vi at regjeringen følger opp. Skal vi lykkes med å få flere til å velge sykkel, er det av avgjørende betydning at vi har sammenhengende gang- og sykkelveier. De må utformes på en måte som gjør at en kan kjenne seg trygg, både som gående og syklende. Derfor vil det i framtiden bli stadig mer krevende å kunne bygge trygge gang- og sykkelveier som folk er motivert for å bruke. Fra Kristelig Folkepartis side handler dette om økt trafikksikkerhet og å bidra til en viktig miljømessig gevinst. Regjeringen har som hovedmål at det ikke skal skje ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Vi er glade for det samarbeidet om virkemidler som er igangsatt av statlige etater og frivillige organisasjoner. På den måten kan planen bli både sektorovergripende og godt faglig fundamentert. Fra Kristelig Folkepartis side kommer vi til å følge nøye med på graden av måloppnåelse i de årlige tilbakemeldingene til Stortinget.

har alle partiene i komiteen – Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre – samlet seg om et forslag som lyder slik: «Stortinget ber regjeringen sikre at det blir planlagt og bygd en kapasitetssterk forbindelse som sikrer at reisende på Østfoldbanens Østre linje kan benytte Follobanen i framtida, og at dette prosjektet inngår i arbeidet med neste Nasjonale transportplan. Stortinget legger til grunn at denne problemstillingen blir håndtert gjennom en pågående KVU, og at det som en del av dette arbeidet også sees på hvordan en framtidig avgreining sør for Ski kan legge til rette for eventuelle framtidige høyhastighetskonsepter. Stortinget ber om raskest mulig fremdrift i utbygging av Follobanen i tråd med vedtatte planer.» Herved er forslaget

og ikke gå inn i enkelte prosjekter som ble karakterisert som «godt og blandet» av en av representantene tidligere i debatten. Jeg viser bl.a. til det forslaget som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har lagt inn som et romertall II når det gjelder OPS. Nå har riktignok representanten Eirin Sund vist det som svenskene sier, men jeg har tenkt å gjenta det og ta med litt mer av det som ble sagt. For svenskene advarer mot å bygge på krita, og det er ikke minst et poeng at det er Høyres søsterparti i Sverige ved Anders Borg som selv sier dette: Private selskaper vil låne ut penger til oss. De gjør det for at vi skal betale en høyere rente, og for at de skal få en høyere avkastning. Men det fører til at infrastrukturprosjekter blir mye, mye dyrere. Det handler om fordyringer på mellom 20 og 30 pst., som da bare er å betale en rentekostnad. Det er også interessant å se tilbake til valgkampen, da daværende samferdselsminister Marit Arnstad sto skulder ved skulder med nåværende statssekretær Bård Hoksrud mot OPS, fordi man også så konsekvensene av det fra Fremskrittspartiets side. Så noen har tydeligvis tapt, og av det fra Fremskrittspartiets side. Så noen har tydeligvis tapt, og noen har tydeligvis vunnet den kampen. Når Senterpartiet er kritisk til OPS, er det fordi det blir dyrere å bygge vei med det. Metoden som man bruker i OPS, er partiet for, og det har vi også vist gjennom behandlingen av bl.a. Helgelandspakken, der man skal se på en helt annen kontraktstruktur som egentlig er en statlig form for OPS. Det er en smart måte å gjøre det på, og som Senterpartiet fullt og helt er for. Ellers er det å si at den saken vi nå behandler, bærer preg av at man ikke har bevilget mer penger til de prosjektene man legger inn – man har omprioritert. I foregående sak fikk vi bl.a. et eksempel på hva man har omprioritert for å flytte på prosjekter. Man har i tillegg prioritert bort noe på tunnelsikring og utbygging av tunneler for å komme med penger til andre prosjekter. Alle prosjektene som ligger der, er for så vidt positive, men man burde ha funnet flere friske midler til det. Man bygger altså ikke mer vei. For ett år siden, omtrent på denne tiden, var det en debatt om Nasjonal transportplan der man la opp til mange forbedringer og effektiviseringer og til besparelser på planlegging og gjennomføring. I den debatten lovte nåværende posisjonspartier – den daværende opposisjonen – så mye, mye mer. Nå er de samme partiene i den situasjonen at de ikke bare må love, de må faktisk også levere. Derfor kommer vi til å følge svært nøye med framover. Så sier saksordføreren at vi viser liten endringsvilje. Tja. OPS har jeg grunngitt hvorfor vi er kritiske til. Vi skal se nøyere på denne rentekompensasjonsordningen for bompengelån, men det har vi ikke fått godt nok grunnlag for å ta stilling til. Når det gjelder veiselskapet, har vi heller ikke fått se hvordan man skal gjøre det, og det vil vi vite før vi sier ja eller nei takk. Poenget hvis det blir billigere, hvis det gir mest mulig vei, jernbane, havner, annen infrastruktur – og det ikke blir mer byråkratisk – da kan det godt hende at vi sier ja. Men hvis det motsatte er tilfellet, at det faktisk blir dyrere og gir mer byråkrati, så blir nok svaret vårt ganske klart: Nei!

En ting som er spesielt bra med sykkel som tiltak, er at det er en måte å få flere til å reise mer miljøvennlig på, også utenfor de største byene. Et godt eksempel på dette er Alta kommune, som for fjorten dager siden fikk Statens bymiljøpris. De vant over Stavanger og Trondheim for sin satsing på sykkel. Kommunal- og moderniseringsministeren sa da: «Sykkelbyprosjektet i Alta er imponerende og et godt eksempel på hvordan små og store byer kan ta miljøansvar.» I Alta har de gjennomført en rekke ulike tiltak for å gjøre det enklere å reise til skolen og arbeidsplassen og i fritiden. Venstre vil at flere små og store kommuner skal tilrettelegge for sykkel. Det var derfor vi og KrF fikk arbeidet inn en egen belønningsordning for sykkel i statsbudsjettet og har fått satt av 10 mill. kr til oppstart av ordningen siden, og den forventningen har jeg forstått at statsråden har oppfattet, så da får jeg håpe at han blir med og leverer, for jeg vet også statsråden er en ivrig syklist! Vi synes det er særlig viktig at staten bidrar i de kommunene som i dag ikke har mulighet til å motta belønningsordninger. Derfor viser vi i merknadene til at ordningen må omfatte alle kommuner – ikke bare de forhåndsdefinerte Bø i Telemark, Eid i Nordfjord, Berg på Senja og Finnøy i Ryfylke kan alle bli kommuner der sykkel blir det primære framkomstmiddelet for flere. Den andre saken jeg har vært veldig opptatt av i arbeidet med denne proposisjonen, er tog. Grepene vi går sammen om på Vestfoldbanen, Ofotbanen og Jærbanen, er viktige. Det er også svært bra at vi tilrettelegger for totimersfrekvensen på Sørlandsbanen. Sørlandsbanen. Så vil jeg bruke litt tid på Follobanen, ikke bare fordi det er i mitt valgdistrikt, ikke bare fordi det er den største enkeltinvesteringen på jernbanen, og heller ikke bare fordi det er et viktig førstesteg for intercity-utbyggingen, men særlig fordi vi i denne stortingsbehandlingen får slått fast to viktige ting om Follobanen. For det første: Det skal bli en kapasitetssterk påkobling fra har det vært svært viktig for meg og for Venstre å få på plass i denne proposisjonen. Innbyggerne øst i Ski kommune og i indre Østfold skal ikke bli satt på ekspressbuss eller på saktegående tog på den gamle Østfoldbanen, men være med på hurtigtog inn til Oslo S. Dette sparer de reisende for mye reisetid. Det har vært viktig for meg at stortingsflertallet slår dette fast, både fordi det er viktig, og fordi vi må gi pendlerne og innbyggerne den tryggheten og forutsigbarheten de fortjener. Det andre er at vi må tilrettelegge for en framtidig høyhastighetsbane mot Europa. Det må ikke hindre at Follobanen kommer på plass til planlagt tid, men det må likevel være prioritert. Vi kan ikke tenke fire og fire år fram i tid, men begynne å tenke i femti- og hundreårsperspektiv. Når vi bygger infrastruktur, må vi tenke gode løsninger for overskuelig Det siste jeg vil kommentere, er trafikksikkerheten. Tiltaksplanen for trafikksikkerhet som er utarbeidet, er god og må følges. Det er også bra at regjeringen varsler at de vil orientere Stortinget om framdriften på området. Når vi snakker om trafikksikkerhet, er det som oftest biler vi snakker om. Det er svært viktig. Venstre vil være med på å bygge flere midtdelere, øke tilstedeværelsen av UP og spre de gode holdningene. Jeg husker da jeg hadde kjørt opp og fikk lappen: Læreren min så meg dypt inn i øynene, tok meg i hånden og sa: Ikke la meg lese om deg at du kjørte for fort, var uforsiktig og døde i trafikken. Det er sånne holdninger vi trenger å få implementert tidlig, for da vil vi kunne skape de gode holdningene også i trafikken.

Jeg er ikke imot å ha innovative kontrakter i samarbeidet mellom de statlige etatene, der de kan sette funksjonskrav, og der selskaper kan bruke sin innovasjonskraft til å finne sine egne løsninger som de mener er bedre enn tidligere valgte løsninger. Men det er uklart om det er det partiene mener. Jeg er ikke uenig i å ha kontrakter som legger opp til en risikodeling.

eller der man skyver kostnader inn i framtiden på en måte som ikke er til det beste for fellesskapet. Jeg vil gjerne ha svar fra regjeringspartiene på spørsmålet om hva i all verden det er de mener når de sier Det andre er spørsmålet om veiselskaper. Der støtter jeg helhjertet opp om merknadene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg synes det er utrolig at Stortinget går inn for å gjøre de vedtakene som man gjør når det gjelder veiselskaper, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, uten at man har fått en skikkelig og god vurdering av hva dette veiselskapet egentlig er, og hva premissene Det tredje jeg vil nevne, er at jeg er kritisk til den utbyttepolitikken som det legges opp til for Avinor. Jeg mener at Stortinget i realiteten frasier seg en del av styringen over utbyggingsprosjektene som ligger der. Jeg vil også spørre statsråden helt konkret om hvilke premisser som ligger til grunn i rentekompensasjonsordningen. Det kan ikke være sånn at hvis noen fylker velger å ha høy bompengeandel for å bli prioritert i køen, skal det automatisk utløse en større andel penger fra staten. Det blir en helt urimelig køsniking, etter min oppfatning. Her må man faktisk ha styring, og da er det bedre å gjøre dette gjennom de rammene som gis til fylkeskommunene, eller gjennom bevilgninger over statsbudsjettet som går direkte til konkrete prosjekter.

på eksisterende linje, ikke lenger er tilfelle, og at gods ikke skal gå på Follobanen. Stemmer det? Det andre spørsmålet går på høyhastighetsbanen, planleggingen av høyhastighetsbanen og avsporingen der.

nå. Det tredje jeg vil spørre om, gjelder spørsmålet om påkoblingen av linjen mellom godset fra Alnabru og inn til Follobanen, som var en tydelig forutsetning, sånn jeg ser det, fra Nasjonal transportplan. Er det sånn at den påkoblingen nå er droppet, eller skjøvet på til et senere tidspunkt? Dette er veldig viktige spørsmål, og jeg vil be om en klargjøring av hvordan statsråden tolker forslag nr. 1, som er fremmet av et flertall av partiene her i dag.

men som betyr mange forpliktelser på lang sikt, på veiprosjekt og på jernbaneprosjekt. Jeg tror de langsiktige forpliktelsene vi påtar oss, er minst like mye verdt når det gjelder gjennomføringsevne, som de beløpene vi bevilger det første året. Her er det mye på både luft, vei og jernbane, og jeg er glad for at det er god og bred støtte i Stortinget for dette.

gangveier står omtalt. Jeg kan bekrefte overfor representanten Raja at det òg er viktig for oss. I revidert budsjett ligger det mer konkretisering enn her, og det vil òg være noe en tar med seg i budsjettet for 2015. Når det gjelder jernbanen, er det omtalt grep som en gjør på Ofotbanen, Follobanen og Vestfoldbanen. Det er bra at en får støtte til å ta tingene videre der. Samtidig, med tanke på forrige debatt om

veibevilgninger, registrerer jeg kritikken som kommer fra Senterpartiet. Jeg bare minner om at dagens regjering og stortingsflertall har bevilget ca. 2 mrd. kr mer til riksveier og fylkesveier enn det forrige regjering la opp til. Pengene er på plass, og en masse reformer er i gang i tillegg. På vei oppretter vi nå et interimselskap for å få på plass veiselskapet vårt – et første skritt i et viktig reformarbeid. Representanten Sund sa hun ikke visste noe om dette selskapet, men det står altså omtalt i proposisjonen, og sammen med omtalen av bomselskapet, er det flere sider omtale av dette, så litt burde en få med seg. Det samme gjelder omorganisering av bomselskapene. Der samler vi nå den organisatoriske styringen. Vi varsler at vi vil dele operatørskap og andre ting sånn at en òg får en konkurranse i markedet, men en får en enklere administrativ enhet.

på torsdag – hvis jeg ikke husker feil. Så har stortingsflertallet et forslag på OPS. Det er et veldig godt forslag, og jeg vil forsøke å levere så godt jeg kan på det allerede i budsjettet for 2015. Jeg konstaterer at de rød-grønne partiene argumenterer imot. Det overrasker meg ikke, men resonnementet de kommer med, overrasker meg. De rød-grønne partiene sier at de er imot å

for at vi faktisk har begynt å bruke penger på å nedbetale denne gjelden raskere enn de rød-grønne planla ved å bevilge penger over statsbudsjettet. Så de rød-grønne er imot å kjøpe vei på kreditt, men har likevel gjort det i stort omfang. De er veldig kritiske når denne regjeringen betaler ned den gjelden, til tross for at de altså er imot å kjøpe vei på kreditt. Det harmonerer dessverre ikke. Derfor er jeg glad for at man ser på OPS som et system. system. Dette handler ikke om å låne penger primært fra private. Dette handler om en gjennomføringsmetode, og vi kan redusere finanskostnadene på denne måten, og man finner løsninger der staten nedbetaler hovedbolken av gjelden veldig raskt, men holder igjen litt av lånet, slik at man sørger for at de forpliktelsene som operatøren eller veibyggeren har ved framtidig vedlikehold, blir gjennomført, og at man ikke betaler alt med én gang.

har snudd helt i synet på OPS som et godt virkemiddel for å bygge ut infrastrukturtiltak? Først: Hele proposisjonen som vi nå legger fram, viser at vi jobber framover. Vi får økt framdrift for mange veiprosjekter. Vi holder tempoet oppe på Follo-banen, Vestfoldbanen og mange andre. Så det er ingen tvil om at vi tar ansvar, og bruker det ansvaret på en god måte. Men det fratar oss ikke muligheten til å minne velgerne og andre i denne salen om hva man har gjort de siste åtte årene, og at vi ikke har vært fornøyd med resultatene, og at det er en del inkonsekvens i den kritikken som den forrige regjeringen fremmer mot dagens regjering og det de selv gjør. Når det gjelder OPS, har dagens regjering sagt at vi skal bruke mer OPS. Det kommer fram av det stortingsflertallet nå sier. Det Fremskrittspartiet har vært kritisk til, har vært finansieringsmetoden, der man lar private finansiere det med høyere rente enn man hadde trengt hvis staten foretok den lånefinansieringen. Men det ordner vi lett ved å si at staten f.eks. stiller statlig garanti for det lånet, eller at man nedbetaler hovedgjelden raskere, som jeg nevnte i mitt innlegg. Vi har fått til et veldig godt kompromiss, der prinsippene med OPS brukes, og

at det ligger i grunnholdningen til Fremskrittspartiet og Høyre at man er vennlige til private selskaper. Derfor er man nå mer innstilt på å benytte seg av OPS-ordningen. Er det slik at statsråden er villig til å betale prisen for den vennligheten når man ser at eksperter og andre, også evalueringer som departementet selv har gjort, viser at det vil bli mye dyrere å bygge vei og bane på denne måten? Er man villig til å lempe de kostnadene over på bilistene kostnadene over på bilistene og framtidige generasjoner for å finansiere dette på en på en måte som man vet ikke er en klok måte å gjøre det på? Det har blitt bygd tre OPS-veiprosjekter i Norge. Erfaringene derfra tyder på at en får gjennomført prosjektene raskere enn det en ofte har fått gjort med offentlige prosjekter. Det tyder ikke på at det blir dyrere. Så de påstandene som Arbeiderpartiet her fremmer, reflekteres ikke i erfaringene fra Norge. Det som er positivt med OPS, er at en får en dynamikk i markedet. En får ulike aktører som gjerne har ulike idéer om hvordan en skal løse noe, og som gjennom anbudsprosesser viser fram ulike løsninger som staten kan velge mellom, istedenfor bare å ha én aktør. Jeg synes det er litt rart at Arbeiderpartiet er kritisk til at private skal få lov til å være med å planlegge og prosjektere et prosjekt, men synes det er helt greit at det er private selskaper som bygger det. Da er det jo de samme fæle markedskreftene som tjener penger på å bygge en vei, og da forstår ikke jeg hvorfor det er fælt å bruke kompetanse på planlegging, mens det er helt greit å bruke entreprenørene. Så her er det en ulogisk tilnærming fra Arbeiderpartiet. Vi bruker de gode kreftene for å få mer igjen for pengene, og det er i skattebetalernes interesse. I denne proposisjonen er

høyere satser i rushtiden og lavere resten av døgnet, for å få flere til å velge kollektivt og redusere køene. En rentekompensasjonsordning, som en har oppfattet det så langt i alle fall, skal gi og kan dermed bidra til å redusere noe av den effekten som en differensiert bompengeavgift er ment å gi. Hvilke tanker gjør statsråden seg om denne typen problemstillinger når det gjelder utviklingen av en rentekompensasjonsordning? Rentekompensasjonsordningen er fra regjeringens side tenkt som et bidrag fra staten til å dekke finansieringskostnadene, og gi staten en interesse eller et incentiv til å bidra til å få ned selve rentenivået på lånene. Det incentivet har ikke staten i dag. Forrige regjering ville ikke være med å stille statlig garanti på denne typen lån. Det er noe dagens regjering jobber med etter vedtaket fra stortingsflertallet, som også representanten Grøvan representerer. Når det gjelder hvordan dette bidraget til de ulike bompengeprosjektene fordeles, har vi sagt at i til de ulike bompengeprosjektene fordeles, har vi sagt at i den første runden – sånn som det framkommer i Harstadpakken – vil vi sette ned taksten, men når ordningen er endelig på plass, vil det være opp til de ulike prosjektene å velge om en skal bruke det gjennom høyere rabatter for å øke brikkebruken, kortere nedbetalingstid eller redusert takst. Det kan en velge avhengig av hvilke formål

Nå er ikke det feil, sett fra Senterpartiets side, at folk tjener penger – tvert imot – men spørsmålet er: Er det smart å bruke den metoden? Senterpartiet er positiv til å bruke erfaringene med metoden i OPS, med planlegging og kontraktstruktur. Det ser vi fordeler med med tanke på å få en mer helhetlig utbygging, sånn som vi gjør i Helgelandspakken. Så da er da spørsmålet til statsråden: Er det metoden, men ikke det private kapitalbidraget, som statsråden vil utnytte? Det er måten å organisere det på, der entreprenørene som skal bygge, kommer tidlig inn i prosjekterings- og planleggingsfasen, og der en får et helhetlig ansvar for veistrekningen også etter at den er ferdig. Erfaringene fra f.eks. Kristiansand–Lillesand-strekningen på E18 var at Vegvesenet trengte langt færre tilsynsmenn under byggingen, fordi entreprenøren som bygde, visste at hvis de selv prøvde å jukse eller gjøre feil, var det de som fikk kostnaden med å rette det opp igjen, fordi de hadde vedlikeholdsansvar i 15 år. Det i seg selv viser at det er incentivstrukturer i OPS som gjør at en får kvalitetsprodukter. Når det gjelder finansiering, har vi sagt at staten ikke har behov for å låne penger. Derfor kan en se på hvordan en kan bidra til å få ned rentekostnadene. Så det er ikke primært finansieringsmetoden. Jeg minner igjen om at forrige regjering økte bompengegjelden til 35 mrd. kr. Det er litt rart at de rød-grønne blir sure når en påfører staten gjeldsforpliktelser gjennom OPS, men synes det er helt greit å påføre bilistene enda større gjeldsforpliktelser gjennom vanlige bompengeprosjekter. Det harmonerer ikke.

Kan statsråden gi meg svar på de spørsmålene jeg stilte om Follobanen? For det første vil jeg takke for en konstruktiv tilnærming til OPS-bruk, i motsetning til de tidligere regjeringskollegenes. Så vil vi se når vi fremmer dette, hva vi er enige om og ikke enige om. Det er iallfall en god tilnærming. Når det gjelder Follobanen, er vi veldig glad for at vi nå setter i gang. Vi begynner med fysisk bygging. Når det gjelder bruken av godstog på denne banen, er det noe som en jobber med. Det er flere alternativer som foreligger etter forrige regjering, og vi ønsker å få til et godt system. Det er naturlig å ta i en litt grundigere debatt om Follobanen generelt. Når det gjelder tilknytningspunktene for østre linje, er jeg veldig glad for det forslaget som nå foreligger fra fra Stortinget, og som blir vedtatt. Det betyr at vi vil opprettholde framdriften. Merknaden, slik den kunne tolkes, ville medført flere års forsinkelse. Det oppklarende forslaget nå er veldig bra. Når det gjelder lyntog, er ikke det prioritert av denne regjeringen. Vi prioriterer pendlerarbeid, men vi skal legge til rette for lyntog på sikt. Replikkordskiftet er omme. Når det gjelder proposisjonens forslag innenfor luftfarten, merker vi oss at regjeringen – med samarbeidspartnerne, Kristelig Folkeparti og

Når det gjelder proposisjonens forslag innenfor luftfarten, merker vi oss at regjeringen – med samarbeidspartnerne, Kristelig Folkeparti og Venstre – ønsker å konkurranseutsette tårn- og sikringstjenestene i luftfarten, og at Samferdselsdepartementet har satt i gang et arbeid for å vurdere hvilke tjenester innen flysikring som egner seg for konkurranseutsetting. 2013 var et spesielt godt år for norsk flysikkerhet, totalt sett. ulykke i kommersiell luftfart og sju privatulykker er et svært lavt antall, spesielt når en vet at aktiviteten var rekordhøy. Ingen besetningsmedlemmer eller passasjerer ble alvorlig skadd under flyging i Norge eller med norske luftfartøy utenlands i fjor. Siden 1970 har det kun skjedd ett år tidligere at det ikke har vært omkomne i norsk luftfart. Arbeiderpartiet vil ikke være med på noe forslag som I Sundvolden-erklæringen sier Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen at de ønsker å konkurranseutsette tårn- og sikringstjenestene i luftfarten. Jeg lurer på om ministeren kan svare meg på om de har konkludert, eller om regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak. Jeg vil samtidig understreke at et eventuelt forslag om konkurranseutsetting av flysikring må være av faglig og kostnadsmessig karakter, ikke – som det kanskje kan se ut til – være basert på ideologi alene. Avinor har bedt Samferdselsdepartementet om å få styrke egenkapitalen med 2 mrd. kr, dette for å kunne gjennomføre de store investeringene som står for tur. Regjeringen skryter av handlekraft. I dag har vi hørt det gjentatt gang etter gang: gang: Det er kun ministeren, hans parti og hans regjering som kan levere. I dette tilfellet har han så langt ikke klart å levere. For å få en rask framdrift av utbyggingen på Flesland, bl.a., ba de om 2 mrd. kr i økt egenkapital. Men det som har skjedd, er at man har endret utbyttepolitikken slik at de kan beholde mer av overskuddet. I perioden fra 2014– 2017 vil de få beholde overskuddet som eventuelt blir over

Det betyr at de iallfall ikke det første året får noe ekstra utbytte med denne endringen av utbyttepolitikken. Faktisk får de mindre fordi de kom under budsjettet som var lagt for 2013. I innstillingen som foreligger, har vi merket oss at flertallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har et ønske om at det skal iverksettes flere prosjekt ved bruk av offentlig–privat samarbeid, også kalt OPS,

I de aller fleste sammenhenger er det dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant. Når Arbeiderpartiet sier nei til OPS, er det rett og slett fordi det gir mindre veg for pengene. Arbeiderpartiets modell for bedre vegbygging er derfor rask og rasjonell utbygging i offentlig regi, uten de ekstra kostnadene OPS medfører, men vi er selvsagt åpne for nye og bedre modeller for vegbygging. Det har vi faktisk nylig i Stortinget, da vi vedtok og godkjente Vegpakke E6 Helgeland nord fra Korgen til Bolna. Der skal vi bygge ut med en såkalt vegutviklingskontrakt, som ikke har i seg finansieringsdelen som gjør prosjektene dyrere. Her skal en altså sette ut både utbygging, drift og vedlikehold i en 15-årsperiode på en strekning på 16 mil. Det er også forutsatt at man skal gjøre det samme på resten av Jeg konstaterer samtidig at med flertallets forslag har Fremskrittspartiet endret sitt syn på OPS fra i høst. Da var de i alle fall imot finansieringsdelen. Her synes jeg ministeren er litt uklar i dag, og det ville vært greit å få høre om ministeren egentlig eller om han mener OPS uten finansieringsdelen. Det har vi ikke fått svar på, og da er det kanskje ikke en tradisjonell OPS ministeren egentlig ønsker å presentere for Stortinget. Når det er

Jeg skal ta en annen vinkling, for denne samleproposisjonen, Prop. 97 S, bringer mange saker inn i Stortinget under én paraply. Felles for alle sakene er at de setter i gang viktige prosjekter, og jeg skal i hovedsak konsentrere meg om jernbaneprosjektene. Med en befolkningsvekst rundt de største byene på 1,5–2 pst. er det forventet behov for mer enn en fordobling av kollektivtransporten. Jernbanen har en viktig rolle som ryggraden i dette systemet. Hovedutfordringen blir å skaffe til veie nødvendig kapasitet, både skinnekapasitet og togmateriell. Jeg har i en tidligere sak understreket en utfordring ny grunnrutemodell gir når det gjelder sporkapasitet. Det er derfor viktig å følge opp planlagt økning i nettopp dette. Oslo og Akershus utgjør selve navet i togtransporten, og over 60 pst. av NSBs kunder reiser i Oslo og Akershus. Det er også viktig at mesteparten av landbasert transport av gods går til eller gjennom regionen. Per i dag er det et stort behov for å fullføre bygging av Follobanen og finne en fornuftig utvidelse av kapasiteten gjennom Oslo. Jeg er glad for at vi i dag kan fastsette kostnadsrammene for togtunnelen mellom Oslo og Ski. Dette prosjektet øker kapasiteten gjennom Sørkorridoren og knytter Østfold-byene nærmere Oslo. Det forventes at antall kunder vil øke med 11 000 per dag. I tillegg er det første steg mot en forbedret forbindelse mot Gøteborg og kontinentet. Sett i lys av ønsket om å få mer gods fra vei til bane har Sørkorridoren det største potensialet for å få til dette. Bygging av Follobanen er tidkrevende og komplisert. Det har vært mange innspill og forslag til alternative løsninger og lure ideer. Jeg er av den oppfatning av planlegging i Norge er som et stigespill. Hvis man trår feil, kan man rutsje ned til start. Når vi nå har gått igjennom hele prosessen med planlegging av Follobanen og til og med er ferdig med KS 2, er det derfor på tide å sette spaden i jorden og begynne. Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité fremmer et verbalforslag som gir et klart signal til departementet om å holde seg til den planen som er lagt, å bygge etter den. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av dette prosjekt ble avsluttet i april 2014. Tilrådning fra kvalitetssikrer er en kostnadsramme omregnet til 2014-kroner på 26,3 mrd. kr og en styringsramme på 24,4 mrd. kr. Det er enighet mellom Jernbaneverket og eksterne kvalitetssikrere om dette. Det er også viktig at proposisjonen bringer med seg en del andre jernbaneprosjekter som er viktige. Mye dreier seg om godsterminaler, og jeg er veldig glad for den prosessen som har vært nå i vår, der statsråden og regjeringen har avklart veldig mange av de konfliktene og valgmulighetene som har ligget ved valg av lokalisering av godsterminaler – at man plass. Så vet vi at det er et stort behov for å gjøre noe med Alnabru. Det ble reist spørsmål ved om Follobanen skulle ha gods og om den skulle ha avgrening i banen. Stortinget har ikke tatt stilling til – eller har vel tvert i mot sagt at de ikke har noen sans for – høyhastighetsbane på det nåværende tidspunkt. Poenget er at hvis man planlegger alle nye jernbanespor for 250 km/t og skal kunne utnytte det i skal kunne utnytte det i et fornuftig opplegg, kan vi ikke blande trafikk med langsomtgående og hurtiggående tog. For oss tror jeg 250 km/t egentlig er et hurtigtog – i hvert fall et tog med høy hastighet. Selv om jeg er opptatt av jernbane, har jeg også et visst hjerte for vei. Toget er en viktig transportør av reisende, men veien og bussen spiller en enda større rolle. I denne proposisjonen ligger den en annen sak som vi er opptatt av i Akershus. Det er E16 fra Sandvika til Vøyen. Det at man faktisk klarer å starte opp den om et halvt år og får gjennomført viktige investeringer allerede i 2014, er en gladsak for oss i Akershus.

dag. Jeg siterer: «Å innføre OPS er som å handle vei på kredittkort, og alle vet at det er bedre å handle kontant enn på kreditt.» Men er det ikke nettopp dette Arbeiderpartiet selv har gjort i åtte år, men ved bompenger? Norske bomprosjekter betaler høy rente for sine lån. Mye av dette er penger lånt fra utlandet samtidig som Danmark har lånt våre oljepenger til 1 pst. rente, og Tyskland har Kommunalbanken og oljefondet er begge 100 pst. statlig eid, men Kommunalbanken har ikke fått låne penger av oljefondet. Isteden har Kommunalbanken hentet 97 pst. av sin kapital fra utlandet, samtidig som den har formidlet lån til 21 av bomprosjektene i Norge. Vi har altså lånt ut oljepenger billig og lånt hjem veipenger dyrt. Jeg må nå be Arbeiderpartiet klargjøre om de har skiftet syn på bompenger når de i dag advarer mot å lånefinansiere veier,

bompengereform og opprettelsen av veiselskap. Siden Arbeiderpartiet nå så tydelig sier at de er imot å handle vei på kredittkort, tar jeg det for gitt at de framover vil støtte forslaget om mindre lånefinansiering, de vil være positive til bompengereformen, rentekompensasjonsordningen, og sist, men ikke minst vil de stemme for mer statlige midler til veibygging og dermed mindre bruk av bompenger. Det er i så fall svært gledelig at de nå kommer Fremskrittspartiet i møte på dette, og det viser bare at Fremskrittspartiet i regjering utgjør en fordel når vi klarer å få det største opposisjonspartiet til å forandre politikk og dermed innse at sin samferdselspolitikk har vært feilslått. Det er ikke bare kritikken fra Arbeiderpartiet om lånefinansiering som er skivebom. Det er også skivebom når de skryter av hva egen regjering gjorde.

Det ble altså bygd mindre motorvei i 2013 enn i 2006, til tross for tidenes satsing. Årsaken er enkel, men den viser også at Arbeiderpartiet forsøker seg på billig og populistisk retorikk når de kun snakker om økte bevilgninger og ikke faktiske resultater. I 2005 kostet det nemlig 82 000 kr per meter motorvei vi bygde, i 2014 vil det koste Dette er et resultat av at veibygging i Norge har veldig lang planleggingstid, og at de fleste veistrekningene deles opp i små deler, noe som er urasjonelt og kostbart. Det nye stortingsflertallet har forstått at det ikke bare er økte bevilgninger som må til om vi ønsker mer vei, vi må tenke nytt når det kommer til planlegging, når det kommer til prosjektering, og når det kommer til gjennomføring. Vi ønsker å kunne løfte noen større veiprosjekter, uten å måtte se på årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Fremskrittspartiet har flere ganger foreslått eget veiselskap, men forslaget har bare fått Fremskrittspartiets stemmer. I regjering klarer vi nå å få til at det kommer et slikt selskap. Det er derfor svært gledelig at det vil komme, og med et mer forutsigbart tilstrekkelig og langsiktig finansieringsgrunnlag vil vi kunne sørge for at vi endelig får mer vei for hver krone som blir investert. Den reglementsmessige tiden for kveldsmøtet er nå omme, og presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. De rød-grønne partiene la opp til

raskere gjennomføring. Det gir også raskere nytterealisering, raskere ferdigstilling og mer vei for pengene. Det er en god strategi som Arbeiderpartiet mener regjeringen må følge opp, og man kan få litt inntrykk av at det ikke har blitt verken igangsatt eller avsluttet store veiprosjekter i de siste åtte årene, når alle sammen vet at det ikke stemmer. Jeg må bare få opplyse om at når statsråden en gang i framtiden skal overlevere sin nøkkel videre, vil det fortsatt være prosjekter igjen som skal både realiseres. Til representanten Roy Steffensen, som svingte seg til de store høyder og var nærmest indignert over at Arbeiderpartiet ikke hadde egne forslag i proposisjonen vi nå behandler: Så vidt meg bekjent så stemmer vi over økende kostnadsrammer for en del beskrevne prosjekt, og jeg kan forsikre representanten Roy Steffensen om at vi er for å Arbeiderpartiet vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem. Om veisakene som er nevnt i proposisjonen, vil jeg si at når det gjelder regjeringens ønske om å opprette det nevnte utbyggingsselskapet, vil Arbeiderpartiet, som vår hovedtalsperson Eirin Sund har redegjort for, avvente til vi kjenner saken og har fått den informasjonen som Stortinget skal få i slike saker. Vi forutsetter at man også gjør de tiltakene for å effektivisere og forbedre bompengesektoren som NTP beskriver – for flesteparten av tiltakene i den såkalte bompengereformen til Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ble lagt fram av den rød-grønne regjeringen i Nasjonal transportplan. Sentrale elementer for effektivisering i den vedtatte NTP var å slå sammen bompengeselskaper, og samordne takst- og rabattsystemer. Jeg vil også framheve vedtaket om å innføre obligatorisk brikke for tunge kjøretøy. Det er ikke minst viktig for å sørge for likeverdige konkurransevilkår innenfor transportbransjen. Vi har merket oss regjeringens arbeid med den med den varslede rentekompensasjonsordningen. Den ser foreløpig ut til å bli en litt annerledes og litt mer byråkratisk måte å tilføre mer statlig kapital til veiprosjektene på. Vi vil derfor avvente med å ta stilling til en slik ordning, til regjeringen kommer til Stortinget på egnet måte med et konkret forslag. Det vil, som flere har nevnt, også bli drøftet senere denne uken, når vi har Harstad-pakken til Arbeiderpartiet er opptatt av at den kraftige økningen i bevilgningen som vi la opp til før vi overlot regjeringskontorene til dagens regjering, stiller økte krav til effektiv bruk av ressursene. Dessverre synes vi ikke tegnene peker helt i riktig retning. Det er en litt ullen samleproposisjon, som bl.a. viser at statsråden ikke har noen klar formening om hvordan bompenger som virkemiddel skal videreutvikles. Statsråden har gjentatte ganger redegjort for Fremskrittspartiets oppslutning ved valget, som var på skarve 16 pst., men Fremskrittspartiet må uansett både legge fram og vedta mange nye bompengeprosjekter, og forvalte dem vi har. Fremskrittspartiet er, som resten av Stortinget, nå for bompenger som finansiering. For å dekke til dette etablerer man kompliserte regler og administrative ordninger, som etter vår vurdering kan føre til at det må ansettes flere byråkrater. byråkrater. Arbeiderpartiet er, som sagt, avventende til

til å kunne få til mykje meir, mykje raskare, ved å ha ei tilnærming der konkurranse faktisk er sunt, og private aktørar kan bidra positivt. Regjeringa har signalisert at dei vil ta i bruk nye verkemiddel for å byggje ut infrastrukturen, i tillegg til ei omorganisering av den eksisterande Det er på høg tid at forvaltninga av brukarbetaling blir organisert på ein enda meir kostnadseffektiv måte. Bompengesektoren treng betre incentiv for å gjere innkrevjinga meir effektiv, og det krev omstrukturering, betre rollefordeling og konkurranse, slik at ny teknologi blir utvikla og teken i bruk. Regjeringa går inn for eit organisatorisk skilje mellom operatør og dei som sender ut brikker. Dette er bra, og det vil kunne sikre konkurranse, med kundevenlege løysingar, der trafikantane faktisk berre treng avtale med eitt selskap ved køyring i Europa. Innretninga er ikkje avklart enno, men eg vil oppfordre til

Konkrete tiltak er sette i verk, og klare planar er signaliserte, som vil kunne gje luftfartsbransjen føreseielegheit. Regjeringa vil konkurranseutsetje tårn- og sikringstenester i tråd med regjeringsplattforma. Flysikringstenesta skal omdannast til eit dotterselskap i tråd med eigarskapsmeldinga om Avinor. Òg utbyttepolitikken er blitt endra, slik at Avinor no

Den raud-grøne regjeringa hadde ingen forslag – og korkje pengar eller tiltak – til Flesland. Dette viser at det er rom for nytenking innanfor samferdsle, og at nye idear faktisk gjev betre løysingar, noko òg representanten Eidsvoll Holmås her i dag har kommentert at han har sett dei positive sidene

fundert som ønsket om faktisk å bruke konkurranseutsetjing for å oppnå det kvalitativt beste

for at ein no er veldig godt i gang med det førebuande abeidet og klargjeringa for den kjempestore tunnelboremaskina. Dei som er interesserte, kan på Østlandets Blads heimeside, på oblad.no, sjå ein video av prosjektet – og det som faktisk er starta opp på prosjektet. For oss som er interesserte i jernbane, er dette ein veldig fin video. Det har vore knytt nokre bekymringar til prosjektet skreiv brev om at dei ikkje stod inne for meklingsprotokollen lenger, då konsekvensutgreiinga ikkje tok omsyn til påkopling på austre linje. Eg forstår godt at Østfold-kommunane kunne verta bekymra, når dei las i konsekvensutgreiinga om forslaget om buss i staden for tog. Difor er eg veldig glad for at me no løyser saka, og at innvendinga mot reguleringsplanen for Follobana og Ski stasjon er trekt. Det betyr at reguleringsplanen er endeleg vedteken, og at eit hinder for vidare gjennomføring av dette viktige prosjektet er fjerna. Østfold-kommunane Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad bekreftar at dei har trekt sine innvendingar. Det stadfesta dei overfor Kommunal- og I fellesforslaget som er lagt til grunn her i dag, ber Stortinget regjeringa å sikra at reisande på Østfoldbanas austre linje kan knytast til Follobana i framtida, og at dette prosjektet går inn i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Forslaget avsluttar med at Stortinget ber om raskast mogleg utbygging av Follobana, i tråd med vedtekne planar.

me kan laga ei god påkopling sør for Ski, slik det står i forslaget. Det kan òg vera med og løysa framtidige jernbaneutfordringar. Det viktigaste er at me kjem i gang med prosjektet. Den raud-grøne regjeringa føreslo i budsjettet for 2014 1,2 mrd. kr til vidare prosjektering, grunnerverv og førebyggjande arbeid og eventuell anleggsstart. Det vidareførte heldigvis òg den nye regjeringa og det nye fleirtalet. Det er veldig viktig no at prosjektet òg vert tilført midlar til framtidsplanen på budsjettet for 2015.

som eg meiner regjeringa sa eigentleg skulle stå ferdig i 2023 i eit møte me hadde i lagtingssalen i fjor. Eg trur at i NTP står det 2030. Uansett, med Follobana i gang er me eit godt steg på veg for intercity. Det er òg porten til Europa – det har eg sagt mange gonger. Da eg begynte å jobba med denne saka på Stortinget,

På den annen side vil denne kapasiteten også kunne legge til rette for mer transport av gods. Det er som kjent slik at en av våre viktigste havner i dag ligger i Gøteborg, Sverige. Vi må også legge til rette for godstransporten mot Gøteborg både av miljøhensyn og for å sikre arbeidsplassene. Samtidig er det slik at jernbanesporet i Ski deler seg i en vestre og i en østre linje. Det har lokalt vært et stort engasjement både fra ordførere og pendlere for å få på plass en påkobling i Ski. Dette resulterte også i at komiteens flertall skrev inn en merknad. Det nye forslaget i saken, det løse forslaget, tar opp i seg dette på en god måte. Det vil være positivt for utviklingen i denne regionen rundt østre linje at det oppnås trygghet for at en påkobling kommer i orden. Vi som samfunn er nødt til å investere tilstrekkelig i et godt jernbanenett inn mot de store byene, slik at vi er klare for framtidig vekst av passasjerer og godstransport. Dette løser vi ikke med OPS, som blir en dyrere løsning, og som gir oss mindre jernbane for pengene. Det er bra at vi i denne saken ser at det kommer på plass en utbygging som vil sikre utvikling og vekst for regionen gjennom at man starter bygging av dobbeltspor og legger til rette for påkobling til

Vi har over mange år utviklet en samferdselspolitikk der målet er å bygge mer vei og bane raskere. Det betyr raskere planleggingstid og nye måter å organisere bygging og drift og vedlikehold på. Med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering er det en mye mer pragmatisk tilnærming til virkemiddelbruken i samferdselssektoren. Offentlig–privat samarbeid har vist seg å være en egnet måte å organisere store De tre OPS-prosjektene som ble gjennomført som prøveprosjekt i Norge, viste at prosjektene ble gjennomført på tida, og til en forutsigbar kostnad for staten. Ja, vi kan se på OPS som en forsikring mot overskridelser i en del sammenhenger. En annen fordel med offentlig–privat samarbeid er at investering, drift og vedlikehold blir sett i sammenheng, noe som stimulerer til driftsøkonomisk smarte løsninger. Den norske OPS-modellen er faktisk såpass vellykket at den også er godt ansett utenfor landets grenser. Arbeiderpartiet var med og startet opp disse prosjektene, og det er derfor merkelig at de ikke ønsket å videreføre de gode erfaringene til nye prosjekt, men heller prate ned denne måten å organisere bygging av vei og bane på. Her er SV mye mer konstruktiv i debatten. Det er kun en fokusering på finansieringen at offentlig–privat samarbeid er lånefinansiering av vei.

Et av spørsmålene til de tre partiene er jo hvis en skal forby lånefinansiering av vei, vil en da slutte å gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å lånefinansiere storstilt veiutbygging? Jeg synes det er et relevant spørsmål som bør drøftes av de tre partiene. Med ny regjering er det allerede igangsatt flere store reformer på samferdselssektoren. Det er etablert et veiselskap som vil

var i spissen i kommunesektoren for å innføre utviklingskontrakter sammen med Skanska for å få til et godt prosjekt, Tangenten skole, som på det tidspunktet det ble åpnet, var det mest energieffektive bygget, som nettopp ble til gjennom samarbeid mellom offentlige og private. Men det var ikke noe rør med finansieringen der. Rør med finansieringen har man derimot hatt i Storbritannia, der Tony Blairs regjering gjennomførte en haug med OPS-prosjekter, som i realiteten var som å tisse i buksen, for å gjennomføre storstilte satsinger – «tisse i buksen» for å holde seg varm, president, det må da være buksen, for å gjennomføre storstilte satsinger – «tisse i buksen» for å holde seg varm, president, det må da være innenfor – som de ikke hadde penger til, men som private var mer enn villige til å sørge for å finansiere for skyhøye forpliktelser som ble skjøvet inn i framtiden. Jeg er bekymret for at både veiselskapet og den form for OPS som regjeringspartiene ivrer for, er denne type OPS. Hvis vi snakker om utviklingskontrakter, kan vi Men det får vi se når denne strategien som flertallet her i salen ønsker, blir lagt fram. Jeg vil bruke tiden min på Follobanen. Jeg vil si to ting. Jeg oppfatter at det var en klar at det var en klar forutsetning for Stortinget den gang man vedtok å bygge Follobanen, at man skulle ha tilretteleggelse for høyhastighetsbane på et senere tidspunkt, med et eget spor for dette, som skulle bygges, fordi det er sinnsykt dyrt å bygge dette på et senere tidspunkt. Det vil innebære avbrudd og alt mulig sånt. Men hvis man bygger det i det øyeblikket man bygger den store tunnelen, har man lagt til rette for høyhastighetsbane. Jeg opplever ikke at Stortinget på noe som helst senere tidspunkt har sagt at dette kan droppes. droppes. Hvis det er sånn at det at statsråden ikke ivrer for høyhastighetsbaner, betyr at statsråden tror at man liksom kan droppe det, vel da mener jeg at det er et brudd på Stortingets forutsetninger. Jeg ser nå at det er et flertall her som foreslår noe annet som legges fram, og som åpner for å skyve dette fram i tid. Jeg hører også, som sagt, statsråden si at denne regjeringen ikke ivrer for høyhastighetsbane, men man har inngått en flertallsavtale i budsjettet, der man nå planlegger en helhetlig utbygging: Man planlegger altså for en høyhastighetsbane mellom Göteborg og Oslo. Hvis man fjerner den første brikken på en sånn bane, nemlig å legge til rette for at den første store satsingen blir

og deretter

og prisforskjellene kan bli betydelige når man gjør det sånn. Med all ærbødighet – disse selskapene er ikke noen Moder Teresa som har tenkt å rulle ut vei og bane gratis for staten. Dette er private selskaper i god kapitalistisk ånd – som jeg til og med er for – og som ønsker å tjene penger. Det er også sånn at disse selskapene får lån av Den europeiske investeringsbank og Den nordiske investeringsbank, som låner ut 75 pst. av det de trenger.

Og når vi ikke stemmer for det som i dag er foreslått om veiselskap og andre ting, er det fordi vi ikke vet hva vi skal stemme for. Hadde vi visst hva vi skulle få, kunne vi reelt sett gått inn og gjort en vurdering av hva vi skulle stemme for. Jeg synes det er ganske uansvarlig – med de opplysningene vi har fått fra statsråden – at et flertall i denne salen bare kan si «go» for noe som mangler så mange svar på hvordan dette kommer til å se ut til slutt. Arbeiderpartiet vil ha effektiv utbygging av vei og bane. Vi kan være med på å tenke nytt, men vi er ikke med på å hive pengene etter folk. Vi bør legge de pengene i veien – og ikke minst bygge ut Jeg hadde ikke tenkt å forlenge debatten ytterligere, men det var så mange spark i øst og vest at jeg ble nødt til å ta ordet til ett nytt innlegg. Det er interessant når hørselen må være såpass selektiv som jeg har registrert. OPS er så mye, og jeg har gjentatte ganger, i hvert fall i to innlegg, sagt at den praktiske måten å gjennomføre dette med utviklingskontrakter, er Senterpartiet for. Trenger jeg å si det en gang til? Dette er Senterpartiet for. Det er finansieringsmetoden vi setter spørsmålstegn ved, for Trenger jeg å si det en gang til? Dette er Senterpartiet for. Det er finansieringsmetoden vi setter spørsmålstegn ved, for evalueringen har vist at det blir dyrere. Når det gjelder veiselskap og rentekompensasjonsordning for bompengelån, har vi ikke fått god nok informasjon til å ta reell stilling til hva som ligger der. Det må være et krav at vi har mulighet til å vite hva man skal fatte vedtak om, ellers er man i hvert fall ikke smart. Konklusjonen til slutt er at

Så det var den forrige regjeringen som gjorde det valget.

For i sitt forsøk på både å forklare og fortelle historien på sin måte, og ikke minst i kritikken av Arbeiderpartiet – at det var unnfallenhet når det gjaldt ny politikk – tror jeg faktisk at det han først skulle gjort, var å lese hva slags sak vi har til behandling i dag. Det er en sak der vi ikke skal legge inn nye ting. Vi skal ta stilling når det gjelder bevilgninger. Vi skal ta stilling til saker som er behandlet tidligere, og justering av dem så de kommer seg videre, og så er det noen orienteringssaker vi skal ta stilling til, og der er vi med på de fleste med unntak av ett viktig prinsipp. Det er også noen som prøver å fortelle en historie om at Arbeiderpartiet står ved det gamle og ikke er med på noe nytt. Det stemmer heller ikke.

når de står her og prater, at det egentlig ikke er tradisjonell OPS og måten vi har gjort det på tidligere, som de vil bygge ut på, men på den nye måten. Grunnen til at vi vil endre på det, er nettopp at vi har innsett at det ikke var noen god måte å gjøre det på. Det var for så vidt en god måte å bygge ut på, men det var ikke noen god måte å finansiere på. Hvis ingen har fått med seg det, har de sovet i timen, også når det gjelder det siste momentet som man også prøver å spille på med hensyn til ideologi flysikkerhet. Ja, det er ikke noe ideologisk krumspring fra Arbeiderpartiet verken den ene eller andre vegen, men vi er reelt opptatt av flysikkerhet. Derfor vil vi ikke være med på å tukle med noe som gjør at vi får forverret flysikkerheten i Norge. Det er derfor vi sier at vi må bruke tid på det, og da håper og forventer jeg at jeg får svar fra ministeren om hvorvidt det er sånn at de allerede har konkludert – som de skriver i sin regjeringserklæring – eller om det er sånn at

Det vil derfor være en fordel om vurderinga av EU-domstolens beslutning og konsekvensene for norske datalagringsregler blir debattert når regjeringa legger fram sin vurdering for Stortinget. Jeg oppfatter det slik at det er det komiteen har gitt sin tilslutning til gjennom dette representantforslaget. 8. april i år avsa EU-domstolen sin dom: EU-direktiv 2006/24 EF, kjent som datalagringsdirektivet, ble kjent ugyldig. Det betyr at direktivet ble annullert, og at det ikke er bindende for medlemslandene, og slik sett heller ikke kan implementeres i norsk rett. Den 11. april ble det sendt brev fra statsminister Erna Solberg til Stortinget der det ble opplyst at regjeringa ikke vil fremme et forslag om kostnadsfordelingsmodell i vårsesjonen 2014, slik det var varslet i statsbudsjettet for 2014, og vil gå igjennom dommen fra EU for å se om det er behov for å gjøre endringer i reglene for datalagring fra april 2011. Statsministeren ga uttrykk for at regjeringa vil komme tilbake til Stortinget med saken på en egnet måte. I tillegg har saken vært belyst i Stortinget gjennom skriftlige spørsmål, både til statsministeren og justisministeren, og redegjort for i en uttalelse til dette representantforslaget fra Diskusjonen om datalagringsdirektivet og regler for datalagring i Norge er naturlig nok preget av at det er vanskelige avveininger mellom personvern på den ene sida og effektive virkemidler mot kriminalitetsbekjempelse på den andre sida. Av den grunn utnyttet derfor heller ikke de norske reglene som ble vedtatt i 2011, hele det handlingsrommet som datalagringsdirektivet ga rom for. annet er lagringstida satt til seks måneder, som er direktivets minimumsgrense, fulgt av en sletteplikt i Norge. Det er stilt strengere krav til lagringssikkerhet, med kryptering og lukket lagring, og det er strengere krav til utlevering av data, med krav til domstolsbehandling. Slik jeg oppfatter situasjonen, erkjenner de fleste i denne sal at vi må ha regler for datalagring, og at de bør lovfestes. Når det nå ikke lenger foreligger et EU-direktiv som setter retningslinjer for datalagring, så er det ikke i seg ikke et argument for å akseptere et lovtomt rom. Tvert imot så tydeliggjør dette behovet for nasjonal lovgivning på området. Uansett tilnærming og prinsipielt utgangspunkt vil det være ryddig at vi nå får et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av EU-dommen, slik regjeringa legger opp til. Da vil vi også ha tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i datalagringsreglene fra april 2011. Jeg innledet med at dette er en spesiell sak å være saksordfører for. Å gjøre et vedtak om å stanse implementering av datalagringsdirektivet er helt unødvendig. Direktivet er kjent ugyldig og eksisterer som sådan ikke lenger. Slik sett er det heller ikke noen grunn til å bruke veldig mye tid på å debattere akkurat det. Debatten om det norske regelverket for datalagring og konsekvensene av EU-dommen, derimot, er viktig, og jeg ser fram til den debatten når regjeringa legger fram sine vurderinger for

at kriminalitet og terror gjennomføres. Eksempler på straffesaker her i Norge der trafikkdata har vært viktige – eller faktisk avgjørende – bevis, er NOKAS-saken, Orderud-drapene og ranet av maleriet «Skrik». Det var også med bakgrunn i bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror at EUs datalagringsdirektiv ble i innført. Nå er ikke dette direktivet lenger gjeldende, som saksordfører sa. EU-domstolen fastslo i en dom at direktivet er ugyldig fordi det bryter med grunnleggende rettigheter knyttet til privatliv og beskyttelse av personopplysninger. Da er det viktig å føye til at vi i det norske vedtaket la opp til en mye strengere regulering av personvernet rundt direktivet enn det regelverket som har blitt vurdert i dommen fra EU-domstolen. Vi valgte en minimumsløsning for lagringstid på seks måneder og innførte sletteplikt etter seks måneder. I tillegg ble det vedtatt strenge krav til teletilbyderne når det gjelder lagringssikkerhet og rutiner for sletting. I Stortingets vedtak ligger det også strenge regler for tilgang til teledata. Politiet kan ikke få tilgang uten en kjennelse fra domstolen, og det må være begrunnet mistanke om kriminalitet med en strafferamme på mer enn fire års fengsel, f.eks. grove narkotikaforbrytelser, grove ran, menneskehandel, terrorhandlinger og

og Arbeiderpartiet ser fram til regjeringens konklusjoner på dette området. For det er utvilsomt at det trengs en lovregulering for datalagring. Her står vi overfor viktige prinsipielle avveininger mellom personvernhensyn og vernet av den allmenne samfunnssikkerheten. Teleselskapene lagrer trafikkdata i dag for å kunne fakturere sine kunder. Vi trenger et klart regelverk for sikker oppbevaring av datatrafikk og sikre rutiner for sletting av I hvilken grad har noen oversikt over at dette faktisk fungerer forsvarlig per i dag? Vi kan ikke ha det slik at det er tilfeldig hvordan denne typen sensitiv informasjon blir oppbevart og hvilken grad av sikkerhet det er rundt det. Dagens lovgivning i Norge om lagring, oppbevaring og sletting i den såkalte ekomloven er langt fra betryggende, ikke minst ut ifra Det er behov for et bedre regelverk for hvordan disse dataene skal oppbevares, slik at de ikke kommer på avveier. Det trengs regulering av hvem som skal få tilgang til dem, og på hvilke betingelser – ikke minst når de skal slettes. Den jobben gjenstår, selv om datalagringsdirektivet nå er borte. Utgangspunktet for datalagringsdirektivet var som nevnt bekjempelse og oppklaring av alvorlig kriminalitet og terror. Arbeiderpartiet mener det er viktig at PST og politiet har alle nødvendige verktøy i dette arbeidet, for det at politiet har tilgang til teledata under domstolskontroll, har betydning for vern av den allmenne samfunnssikkerheten. Ingen skal kunne ha tilgang til dine og mine digitale spor uten en mistanke om alvorlig kriminalitet og en kjennelse fra domstolen. Personvernet må ivaretas gjennom strenge krav til tilgang, og samtidig må vår felles trygghet og beredskap ivaretas. Jeg synes det er ansvarlig at regjeringen nå går grundig igjennom dommen fra EU-domstolen og ser på behovet for å gjøre endringer i det norske regelverket for datalagring. Vi ser fram til konklusjonen og takker saksordføreren, representanten Orten, for en veldig god måte å jobbe saken fram på i komiteen.

vedtatte lovendringer i påvente av at det tidligere datalagringsdirektivet skulle ha blitt implementert. Jeg legger ikke skjul på at Fremskrittspartiet stemte imot datalagringsdirektivet da det ble behandlet i 2011, og jeg registrerer også at våre innvendinger og argumenter mot innføring av direktivet fikk medhold av

Inntil videre ser vi at regjeringen vil vurdere de ulike sidene når det gjelder vedtatte endringer og vil komme tilbake til oss på en

og urettmessig overvåking. Fra vår side var det derfor en gledens dag at EU-domstolen erklærte det foreslåtte datalagringsdirektivet som ugyldig, noe som innebærer at direktivet annulleres. Vi registrerer at statsministeren i eget brev til presidentskapet gir uttrykk for at man vil gå grundig gjennom dommen for å se om det er behov for å gjøre endringer og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. EU-domstolen har som bakgrunn for sin dom – det synes jeg vi skal legge merke til – karakterisert direktivet som: et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det mest nødvendige». Med en slik tydelig karakteristikk blir «en utsettelse for å se om det er behov for å gjøre endringer i det norske regelverket», som det heter i statsministerens redegjørelse til Stortingets presidentskap, ikke tilstrekkelig for Kristelig Folkeparti. Vi har en klar forventning til at avgjørelsen i EU-domstolen får konsekvenser for innholdet i det nasjonale regelverket og til endringene som ble gjort i straffeprosessloven og ekomloven. Lagring av den type som datalagringsdirektivet forutsetter, utgjør en trussel mot personvernet til norske innbyggere og bryter med viktige rettsstatsprinsipper. Så kan det alltid være gode og legitime grunner til å iverksette tiltak på dette feltet. Det skal vi gjerne innrømme. Men de små stegene vil, dersom vi ikke er oss bevisst den utviklingen vi går i, kunne føre oss inn i et omfattende overvåkingssamfunn. Argumentene for å innføre strengere kontroll kan være gode og sterke. Og ja, hensyn må alltid veies mot hverandre. Men vi må aldri ta vår frihet og våre grunnleggende rettigheter for gitt. En av dem er at samfunnet ikke skal overvåke oss uten grunn. Nå har vi altså EU-domstolens vurdering av direktivet. Den er klar. Kritikken fra domstolen handler om at direktivet omfatter alle typer trafikkdata og alle borgere. Slik direktivet er utformet, vil personer få følelsen av at privatlivet deres faktisk er under konstant overvåking, ifølge dommerne. Direktivet griper inn i denne hårfine balansen mellom individ og stat på bekostning av individets personvern. Jeg håper regjeringen ikke ønsker å havne på feil side i denne type spørsmål. Informasjonssamfunnet gir nye utfordringer, og politiet må ha hjemmel til å treffe nødvendige tiltak for å avsløre og forebygge kriminalitet. Vi må imidlertid ikke akseptere metoder som rammer uskyldige menneskers personvern og frihet. Demokratiske stater bør avstå fra den type totalitære virkemidler.

Da må det trekkes en ny linje, og det er nå regjeringens ansvar å utvikle relevante virkemidler for å bekjempe kriminalitet, som samtidig kan ivareta borgernes verdighet og integritet.

for norske innbyggere. Vi var imot implementering av direktivet i 2011 med de premissene som lå. Vi forventer at de innvendingene som nå er støttet av EU-domstolen i forhold til hvor langt dette gikk i overvåking av vanlige borgere, blir ivaretatt i den saken vi får til Stortinget. Vi forventer at går kritisk gjennom de endringene som ble vedtatt i straffeprosessloven, ekomloven og annet liknende lovverk og regelverk, som sikrer en god balansegang mellom personvern og det som er nødvendig for kriminalitetsbekjempelse. Jeg avslutter her. Samferdselsministerens brev til komiteen var veldig godt å lese. «Direktivet eksisterer ikke lenger», står det.

Både fordi Island ikke har godtatt direktivet som en del av EØS-avtalen og fordi finansieringsløsningene ikke har vært på plass, har vedtakene ikke trådt i kraft ennå – heldigvis. EU-domstolen har erklært at direktivet er «et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det mest

imot da datalagringsdirektivet ble innført. Det var og er jeg veldig glad for. Jeg håper vi kan fortsette å stå sammen. Motstanden mot datalagringsdirektivet var en bred allianse, fra SV til Fremskrittspartiet. Den alliansen viser hvor viktig dette spørsmålet var, og hvilke partier som ikke har rot i å forsvare tidenes embetsmannsstat.

Når regjeringen nå sier at vi skal lage et nytt regelverk for datalagring, må de ta med seg lærdommene i de premissene og vurderingene som EU-domstolen har gjort. Jeg er bekymret over at norske borgere blir utsatt for stadig mer overvåkning. Dette påvirker hvordan vi lever livene våre. Det å vite at noen ser det en gjør, påvirker hvordan en handler. Overvåkning utfordrer grunnsteinen i demokratiet vårt: ytringsfriheten og tilliten mellom folk. Med massiv lagring av data om oss alle snus et viktig rettsprinsipp. Utgangspunktet er ikke lenger at vi er uskyldige til det motsatte er bevist, vi er i stedet alle under mistanke. Det er også stor sjanse for at denne typen data kan misbrukes og havne i gale hender. Derfor er det så viktig for meg og for SV at vi hele tiden passer på, så vi ikke stadig åpner for mer og mer overvåkning uten at det er strengt nødvendig. I kampen mot terror risikerer vi å svekke de verdiene vi sier vi kjemper for å bevare. Viljen til å bytte frihet mot sikkerhet har blitt skremmende stor, både i europeiske land og i USA. Terrorlover som svekker viktige rettsstatsprinsipper, uakseptabel behandling av krigsfanger og utbredt overvåkning er ulike deler av det samme bildet. Om det faktisk gjør oss tryggere, er et åpent spørsmål når vi ser utviklingen i Midtøsten eksempelvis. Datalagringsdirektivet er et eksempel på et direktiv som åpner for å gå altfor langt i å ofre enkeltmenneskers frihet for en følelse av trygghet. Etter hvert kom det også fram at datalagringsdirektivet var et dårlig virkemiddel for Det har vært ganske skremmende å se hvor mye av folks frihet noen politikere har vært villige til å ofre for å kunne innføre et lite effektivt tiltak mot kriminalitet fra EU. Vi kan ikke ha et regelverk som ikke tar folks rett til frihet og privatliv på alvor. Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å se nøye på dommen fra EU-domstolen og lytte til de sterke argumentene mot direktivet når de nå skal se på det norske regelverket for datalagring på nytt – for vi må ta folks frihet på alvor. Vi kan ikke la frykten ødelegge noe av det fineste vi har, nemlig tilliten til folk og mellom folk, troen på ytringsfriheten og prinsippet om at alle er uskyldige til det motsatte er

Sånn sett er det på en måte allerede blitt konkludert når det gjelder akkurat det forslaget som vi har til behandling i dag. Kampen mot alvorlig kriminalitet er viktig, men kan ikke føres på den måten som datalagringsdirektivet la opp til. Datalagringsdirektivet sånn som det var foreslått og vedtatt, gikk for langt på bekostning av personvernet og beskyttelsen av personopplysninger. Det er ikke behov for noe vedtak om å stanse implementeringen, siden direktivet ikke lenger eksisterer. Men hovedformålet med datalagringsdirektivet var å harmonisere medlemsstatenes bestemmelser om datalagring, og jeg synes det er viktig at Norge har en interesse i å ha et godt samarbeid med våre naboland om lagring av denne typen data – ikke minst for å beskytte våre innbyggere og deres rettigheter. Dette er utfordrende og sammensatte problemstillinger, for det er ingen tvil om at formålet er godt, nemlig å bekjempe kriminalitet, eller oppklare kriminalitet når det har skjedd. Samtidig er det viktig at dette balanseres på en god måte mot nettopp personvernhensynet. Vi følger nøye med på hvordan EU og Europa håndterer dette videre. En må også sørge for at når en kommer med andre virkemidler for politiet, må personvernhensyn være godt ivaretatt, samtidig som en tar hensyn til den teknologiske utviklingen som skjer. Mye av den datatrafikken som en la til grunn, var ledende da datalagringsdirektivet ble påbegynt utarbeidet, er i dag relativt utdatert. Mye av kommunikasjonen i dag skjer på Facebook og den typen medier, som datalagringsdirektivet ikke rammet i særlig grad. Vi må se på hvordan vi kan gi politiet gode verktøy, samtidig som personvernet ivaretas på en bedre måte enn datalagringsdirektivet gjorde. Jeg synes ikke vi skal forhaste oss. oss. Vi jobber med dette i regjeringen og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Men vi følger selvsagt også den debatten som pågår mellom stortingspartiene, og ser de synspunktene som framkommer der. Norge er

Dessuten har rapporter fra EU slått fast at direktivet ikke har ført til flere oppklaringer av alvorlig, organisert kriminalitet eller terrorisme. Men her kan det være nyttig å minne om at norsk politi ville bruke direktivet, som var et resultat av terrorhandlingene i New York, London og Madrid, til å gå også etter fildelere og Jeg har i dag vært på et veldig godt møte hos statsministeren om hets mot kvinner i offentligheten. Jeg ønsker alle gode forslag velkommen, men selv ikke jeg vil bruke terrorlovgivning for å gå etter barn som mobber andre barn, eller folk som ulovlig deler musikk på nett. På grunn av prestisjen som ble knyttet til DLD-debatten, har vi mistet flere år med konstruktiv debatt om hvilke virkemidler vi faktisk ønsker å gi politiet, f.eks. adgang til å lagre IP-adresser lenger enn 21 dager. Dette er ikke knyttet til direktivet, men noe som kan åpnes for – dersom regjeringen vil. Jeg støtter selvsagt komiteens innstilling til vedtak – å vedlegge forslaget protokollen. Direktivet finnes ikke lenger, heldigvis. Vi kan aldri regulere oss vekk fra enhver risiko for alvorlig kriminalitet i et åpent og fritt samfunn, men vi kan i forsøket på å gjøre det fort komme til å regulere oss bort fra demokratiet som samfunnsform – det har skjedd før. Men vi som var imot direktivet, ønsket en konstruktiv debatt om politiets virkemidler. Kanskje vi kan få til det nå? Det er

debatt. Når jeg for min del ba om ordet, var det for å synliggjøre mine forventninger til den debatten. Debatten er helt nødvendig – den må vi ta. Vi må balansere hensynet til personvern opp mot behovet for etterforskningsverktøy for å bekjempe kriminalitet. Jeg håper at den debatten om dette temaet som kommer i denne ikke blir en polarisert debatt, slik vi opplevde forrige gang. Det bidro ikke til noe godt for noen saker, vil jeg påstå, fordi man sto fastlåst i et standpunkt og ikke var særlig lydhør overfor motpartens argumenter. Det gjaldt begge sider i debatten – det innrømmer jeg. Jeg tilhørte dem som stemte for implementeringen av DLD. Vi skal debattere personvernet samtidig som vi skal debattere politiets behov for å kunne bekjempe både tradisjonell kriminalitet og den nye kriminaliteten – om vi kan kalle den det – som er under rask utvikling. Jeg må si jeg stoler på politiet når de sier at det knapt nok finnes en alvorlig kriminalsak i dag hvor man ikke benytter digitale spor med stor nytteverdi. Men det er også en annen type kriminalitet. Det er den kriminaliteten som begås i det digitale rommet. Hvordan skal vi møte den uten å ha en balansert tilnærming til lagring av data og tilgjengelighet av digitale spor i ettertid? Da tenker jeg på ID-tyverier, digitale svindler og helt ut til ytterpunktet, som går på spionasje mot bedrifter, næringsliv og nasjonalstater. Dette er det behov for å diskutere på en balansert måte, jeg imøteser det. Jeg berømmer komiteen for å ha lagt fram en balansert innstilling og en god konklusjon så langt, og jeg gleder meg også til et viktig arbeid og resultatene av det fra regjeringens side. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

er et tema som stadig dukker opp, og det er behov for å gjøre vurderinger av hvordan vi sikrer beredskapen på en god måte. Det er mange ulike grunner til det, men det har dessverre vært ulykker de senere årene som har satt saken på sakskartet. I komiteens behandling har vi innhentet svar fra statsråden når det gjelder hvordan veiloven fungerer i dag, og hva som ligger inne der. Den korte versjonen av det er at for utbygging av nye prosjekt som er bompengefinansiert, kan man benytte bompenger også til beredskapstiltak, som det er vist til i forslaget her. Når det gjelder tunneler som allerede er ferdig bygd og i drift, er dagens ordning sånn at finansiering av reparasjoner, eventuelt ytterligere beredskapsutstyr til brannvesenet, skal betales av tunneleier, og det er brannvesenet, skal betales av tunneleier, og det er brann- og eksplosjonsvernloven som regulerer hvem som har ansvar for de ulike tekniske og organisatoriske tiltak for brannteknisk sikring av vegtunneler. Man gjør et skille mellom de som skal bygges og er bompengefinansiert, og de som allerede er i drift, og som det er et for. Det er akkurat det skillet som også er litt av skillet i komiteens arbeid med forslaget. Intensjonen er god. Det som kan være en utfordring, er at der det allerede er et vedtatt finansieringsopplegg, der det allerede er i drift, må man åpne opp for et endret løp for bompengene for da å kunne finansiere et ekstra beredskapstiltak. Er det en ny sak, et nytt prosjekt, kan det ligge inne i det vedtaket som gjøres i den konkrete saken. Det som noen av partiene har pekt på, er at det kan være behov for en ytterligere presisering i veiloven når det gjelder nettopp de tunnelene som skal bygges, at man

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre når det gjelder behovet for en presisering, og at det er viktig at statsråden ser på behovene for sikring av de tunnelene som allerede er finansiert, igangsatt og driftes. Men det er som sagt Arbeiderpartiet som fremmer forslag om styrking også av den biten. Da har jeg redegjort for saken og har jeg redegjort for saken og takker komiteen for en rask og god behandling av forslaget.

La meg derfor rekapitulere litt om hvorfor vi i Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at bompenger også skal kunne brukes til nødvendige beredskapstiltak, herunder eksterne beredskapstiltak som f.eks. en brannbil. 3. juni 2011 brant et vogntog inne i Oslofjordtunnelen. Det var den ene av to branner dette året. Brannvesenet i Søndre Follo reviderte da risiko- og sårbarhetsanalysen fordi de mente den eksisterende ikke var god nok.

Den bekrefter innholdet i Søndre Follo Brannvesens analyse av mangelfull sikkerhet og beredskap i tunnelen. Havarikommisjonen tilrår at Statens vegvesen sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og brannvesenet følger opp og dimensjonerer rednings- og brannslukkingsinnsatsen etter reelle branneffekter og den særskilte tunnelens utforming. Brannvesenet har gjort sin del av jobben, men er foreløpig ikke blitt lyttet til, verken av tunneleier eller overordnede brannvernmyndigheter. Senere har vi i Arbeiderpartiet, og især min medrepresentant Lise Christoffersen, prøvd å følge opp denne saken for å se om man kan få til en fornuftig løsning. Det har vært interpellasjonsdebatt, der justisministeren drev med ansvarsfraskrivelse. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen polemiserte i avisene om at Arbeiderpartiet ønsker å bryte loven fordi vi pekte på at en innkreving av bompengene på strekningen i 1–3 uker ville kunne ha finansiert hele anskaffelsen av brannbil med økt slukkekapasitet og de tre Arbeiderpartiet ønsker selvsagt ikke å bryte loven, slik samferdselsministeren hevder. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til å få løsninger som kan styrke tunellsikkerheten i hele Norge. Nettopp derfor tok vi jo initiativ til representantforslaget om at vegloven § 27 måtte endres, slik at bompenger òg kan brukes til eksterne beredskapstiltak. Vi ble derfor forbauset da vi så statsrådens svarbrev om at bompenger etter vegloven § 27 faktisk allerede kan brukes til beredskapsutstyr – også til brannvesenet på lik linje med finansiering av hele prosjektet ved nybygg. Dette brevet kom altså etter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens forsøk på å henge oss ut for å ville bryte loven. Ja, Store menn kan ta feil, og de største innrømmer det også. Likevel presiserer samferdselsministeren fortsatt at for tunneler som er ferdig bygget og i drift, er dagens ordning at reparasjoner og eventuelt ytterligere beredskapsutstyr til brannvesenet betales av tunnelleier og reguleres gjennom brann- og eksplosjonsvernloven. Da er vi tilbake til sakens kjerne, nemlig at ulike initiativ for å bedre sikkerheten og beredskapen i Oslofjordtunnelen ikke har gitt noen løsning. Det viser et behov for endring i lovverket – i dette konkrete tilfelle for anskaffelse av en brannbil med økt slukkekapasitet og tre evakueringspakker. Det er sikkert mange gode forklaringer på hvorfor man ikke har lyktes, ulikt lov- og regelverk, kryssende

andre er behovet for ytterlegare brannberedskap i Oslofjordtunnelen og andre særleg ulykkesutsette strekningar. Når det gjeld det siste, er det nok full einigheit om at beredskapen skal vere vel vareteken for dei som skal ferdast på vegen. I den samanhengen har regjeringa allereie styrkt 2014-budsjettet med fleire hundre millionar utover det den førre regjeringa gjorde i sitt budsjettforslag, og det er no sett i verk arbeid for å styrkje tryggleiken i tunnelar fleire plassar rundt om i landet. Så til Arbeidarpartiet sitt forslag om å endre veglova, slik at bompengar no skal kunne nyttast til beredskapstiltak: I Høgre ser vi at bompengar i dag er eit vesentleg og grunnleggjande bidrag til dagens organisering av vegbygging, og at den delen var aukande under den førre regjeringa. Men vi vurderer det slik at brukarbetaling skal forvaltast med respekt for opphavleg intensjon. Bompengane skal først og fremst nyttast til planlegging, bygging, utbetring, vedlikehald og

bruk av å kjøpe veg på kreditt. Men eg vil minne om at det er dette òg. Vi ser det slik at vi har ein jobb å gjere med å sikre ei meir effektiv innkrevjing og forvalting av brukarane sine pengar og få meir ut av kvar einaste krone, snarare enn å leggje opp til å krevje inn endå meir. Det er sett i gang eit arbeid knytt til omorganisering av bompengesektoren i Noreg. Noreg. Grunnlaget for dette reformarbeidet, som låg der etter den raud-grøne regjeringa, har ikkje vore godt nok, og det er grunn til å tru at dei føreslåtte grepa der ikkje ville ha bidrege til auka effektivisering. Og vi hadde ikkje fått noko meir veg for pengane. Bompengesektoren treng betre incentiv for å gjere innkrevjinga meir effektiv. Vi pliktar å sjå til at dei rette grepa no blir

vil likevel bare understreke at det ikke er en generell bompengefinansiering av alt vedlikehold av veier eller all opprettholdelse av beredskap som forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet tar til orde for i denne saken. Man går inn for at man skal ha åpning for at den bredden av tiltak som samfunnet mener det er nødvendig å investere i, skal det kunne være mulig å finansiere

men regjeringen har også stort fokus på IKT brukt innen veisektoren, som igjen vil gi gevinst med hensyn til tidlig varsling før innkjøring i tunneler, styring av viftesystemet ved brann, dekningsgrad av kommunikasjonsutstyr inne i At veiloven § 27 åpner for at bompenger kan brukes til å finansiere beredskapsutstyr også til brannvesenet, på lik linje som finansiering av hele prosjektet, har sin gyldighet kun når prosjektet er et bompengefinansiert prosjekt. Det vil si at tunneler som er bygget og i drift, som Oslofjordtunnelen, ikke vil kunne bli dekket av denne ordningen. Så hva er da mulighetenes land? Det blir for enkelt at man til enhver tid vil ta av bompengene for å løse andre utfordringer. Det er for oss viktig å synliggjøre hvor ansvaret ligger, som i dette tilfellet er slik at DSB kan pålegge eiere av tunnelene å opprette en egen brann- og ulykkesberedskap eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesenet. Hvem som betaler hva, og i hvilken grad, vil det være DSB som avgjør, hvis kommunene og Vegvesenet ikke blir enige. Så får vi fra vår side kanskje heller se på kostnadsaspektet for de kommunene som har større utfordringer med hensyn til mange tunneler eller tuneller med stor trafikkmengde i sin midte. At tunnelsikkerhetsforskriften ivaretar oppsyn med tanke på behov, samt at det igangsettes en grundig inspeksjon senest hvert sjette år, er med på å styrke tryggheten for at våre tunneler er sikre. Nå når mer IKT kommer på plass og Vegdirektoratet får økt press på jevnlige kontroller, er vi på god vei til en bedre tunnelsikkerhet. Gardere oss helt kan vi aldri. Det er for mange faktorer som spiller en rolle når ulykker inntreffer, men vi kan, og vi skal, minimere og luke vekk risikomomentene så godt som mulig. Der har regjeringen tverrpolitisk bakking. Dette er et veldig viktig tema, og jeg er glad for at det

og det i seg selv viser at vi ikke bare snakker om tunnelsikkerhet, men vi prioriterer og gjennomfører det også. Dette er en litt spesiell sak fordi problemstillingen har vært kjent lenge. Den ble fremmet av Fremskrittspartiet i opposisjon. Arbeiderpartiet, som da styrte, valgte i åtte år ikke å berøre den, men straks de er i opposisjon, tar de det opp i Stortinget. Det viser egentlig at det var sunt å få et regjeringsskifte, slik at noen klarer å se problemstillingene utenfra og ikke bare sitter og sier nei. men straks de er i opposisjon, tar de det opp i Stortinget. Det viser egentlig at det var sunt å få et regjeringsskifte, slik at noen klarer å se problemstillingene utenfra og ikke bare sitter og sier nei. Da det ble etterlyst handlekraft på denne talerstolen fra Arbeiderpartiet, var det litt rart, med tanke på at en valgte ikke å bruke den da en styrte selv. Dagens regjering er allerede i gang med å se på denne problemstillingen. Dermed mangler vi ikke handlekraft, men jeg synes vi skal gi oss tid til å gjøre det på en skikkelig måte. Det er gjort flere utredninger som vi nå Den arbeidsgruppen besto av representanter fra Vegvesenet, DSB og brannvesenet. Den rapporten kikker vi på. Det andre er at Justisdepartementet i disse dager vurderer en rapport fra en arbeidsgruppe som har sett nærmere på brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Den vil også ligge til grunn for det arbeidet vi gjør. Det skal ikke stå på handlekraft, men jeg tror man skal gjøre det skikkelig. I tillegg – som et tredje moment – jobber vi med en reform om bompengesektoren. Da er det naturlig at disse tingene vurderes inn der. Men tatt i betraktning at vi tidligere i dag har diskutert og fått kritikk fra Arbeiderpartiet for at en kjøper vei på kreditt, er det litt rart at en i denne saken bruker en veistrekning som er kjøpt på kreditt, og vil øke kredittnivået enda mer – og i tillegg kjøper man en brannbil istedenfor å prioritere det over offentlige budsjett. Det er noe som ikke harmonerer i Arbeiderpartiets politikk, verken i den interne debatten i dag eller sammenlignet med standpunktet de hadde for mindre enn et år siden. Vi jobber med dette, vi kommer til å komme tilbake til Stortinget med en bompengereform, og da vil dette bli et av momentene som blir vurdert i den sammenheng. Så vil jeg bare minne om at ved bygging av infrastruktur, inklusiv tunnel, finansieres beredskapsutstyr – også til brannvesenet – på lik linje med finanseringen av hele prosjektet. Så i utgangspunktet er det åpning for å kjøpe brannvernutstyr. Men denne problemstillingen blir jo at for tunneler som har blitt bygd, der en valgte ikke å kjøpe brannbil ved oppstart, har det ikke vært mulighet i lovverket, slik det har blitt tolket, til å kjøpe den samme brannbilen. Det kan framstå som urimelig hvis behovet absolutt er til stede, og derfor er det naturlig at vi diskuterer det. Når det gjelder Oslofjordtunnelen, konkret, Så vil det nok være ulike syn på det, men den offentlige faginstansen for dette mener at det ikke er nødvendig å kjøpe en brannbil. I tillegg viser en til at det er en brannbil i nærheten som kan ha en del av de samme egenskapene, som har noen kjøretid. Vi følger denne situasjonen nøye, og denne situasjonen vil også kunne endre seg, avhengig av veksten i antall biler som kjører gjennom tunnelen. Vi har tunnelsikkerhet som et av våre svært høyt prioriterte satsingsområder. Derfor vil vi sørge for at tunnelsikkerheten er ivaretatt på en god måte. Men dette er ikke den eneste tunnelen vi må være oppmerksom på. Det bygges og eksisterer en rekke tunneler over hele landet, og det er ikke bare på riksveinettet dette kan være et problem. På fylkesveinettet kan det være et vel så stort problem. Derfor er det viktig når vi jobber med budsjettet for 2015, at vi ikke bare ivaretar en tunnelforskrift for riksveier, som har eksistert en stund, men at vi også får innført den for fylkesveier, noe som den forrige regjering ikke fikk vedtatt i løpet av den tiden de styrte, men som vi nå jobber for å få på plass, fordi dette handler om trygghet for alle.

et krav som skal bedre sikkerheten for framtidige hendelser. Men fortsatt skjer det ingenting. Jeg hører at man ønsker å komme tilbake til dette i en større sammenheng – det respekterer jeg fullt ut – innenfor statsrådens ansvarsområde. Men hva vil regjeringen gjøre for å løse dette? Jeg brukte nettopp noen minutter på å fortelle det. Jeg må bare minne om historikken. Når vi har diskutert denne konkrete saken i Stortinget i flere år,

men det tar litt tid. Men vi er i hvert fall i gang, i motsetning til det den forrige regjeringen la opp til. Så ja, vi har flere rapporter som vi nå jobber med å bearbeide, vi er i gang med en bompengereform, vi har sagt vi er positive til dette. Og da jobber vi så hardt vi kan – så enkelt. Statsråden er beskrivende i sine svar, nærmest malerisk: Det jobbes hardt, og det er gjennomføringskraft, og vi er på saken, og vi skal komme tilbake til det – men ingenting konkret. Likevel er det en avstand, når statsråden beskriver forrige regjerings evne til å gjøre noe og deres fravær av konkret handling. Jeg hører bare den samme regla, skulle jeg til å si, hvis det er innenfor parlamentarisk språkbruk, president, som det Solvik-Olsen beskylder den forrige regjeringen for. Jeg skal være veldig konkret. Solvik-Olsen beskyldte Arbeiderpartiet for å ville bryte loven, og så skrev han senere et brev til komiteen hvor han sa at dette var mulig å gjøre innenfor loven. Hvordan ser statsråden på det i dag? Er det fortsatt sånn at han mener Arbeiderpartiet ville ha brutt loven? Eller står han inne for det skriftlige brevet han har sendt til

Det krever at du faktisk får gjort endringer i regelverk, og at du får gått igjennom rapporter og gjøre vurderingene. Men vi har sagt at den jobben vil vi gjøre. At det tar litt tid, burde ikke forundre Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet ville altså ikke gjøre den jobben selv. Det er en vesentlig forskjell. Så har jeg i brevet jeg sendte til komiteen når det gjaldt denne saken, påpekt at når du bygger en tunnel, kan du bruke framtidige bompenger til å finansiere brannbilen. Når tunnelen er bygd, kan du ikke gjøre det. det. Denne tunnelen er altså bygd. Ergo kan du ikke med dagens lov bruke bompenger til å finansiere en ny brannbil. Dermed er ikke påstanden til Kjerkol ikke riktig, og brevet står

Så jeg lurer på: Stoler ikke statsråden på de vurderingene som Søndre Follo Brannvesen som faginstans har gjort av sikkerheten i tunnelen? Dette blir en litt surrealistisk debatt, for vi lytter jo nettopp til de rådene. Det er derfor vi også sier at vi vil ha en gjennomgang av lovverket, fordi vi ønsker å endre på det. Når vi tok opp samme problemstilling i forrige stortingsperiode, for bare ett år siden faktisk,

Da blir det litt rart å bli beskyldt for ikke å ta problemet på alvor, for ikke å lytte til alle aktørene. Og den som spør, valgte ikke å lytte til de aktørene som en nå mener en bør lytte til. Vi tar dette på alvor. Vi skal få ting i orden. Men det tar litt mer tid enn bare å knipse med fingrene, dessverre. Derfor burde en begynt dette arbeidet for lenge siden. Man kan jo lure på om man faktisk tar tunnelsikkerhet på alvor. Flere ganger har ministeren i sitt innlegg sagt at man satser på tunnelsikkerhet, og han skrøt av at man har økt bevilgningene. Ja, det er korrekt, bevilgningene ble økt, med støtte fra oss. Men det som er merkelig i forhold til behovet for økt tunnelsikkerhet, er det som kom i revidert. Da kom det et forslag om å ta ned igjen 250 mill. kr til tunnelsikkerhet. Ministeren har jo hatt pengene uten å ha måttet bruke bompenger til tunnelsikkerhet, hvis han ville. Det betyr at man har brukt samme pengene flere ganger – først på tunnel, ut av tunnel og så på fylkesveier. Det er i beste fall en kreativ regnskapsføring. Spørsmålet mitt er da: Er det sånn at det ikke var bruk for disse pengene til

men som allikevel kunne iverksettes veldig raskt og få raske resultater av. Derfor er det forsvarlig å gjøre den omprioriteringen. Men selv etter den omprioriteringen i revidert budsjett vil det være mer penger til tunnelsikkerhet i løpet av dette året enn det den forrige regjeringen la opp til. Dermed er vi sterkere på økonomi. Vi har satt i gang arbeid med resten av rapportene, som nå ligger klare, vi har satt i gang arbeid med å se på regelverket. Alt det som den forrige regjeringen ikke ville gjøre, er vi i gang med. Så ber jeg om tilgivelse for at det dessverre tar litt tid å gjennomføre ting. Men det er forskjell på en regjering som sier at dette vil vi starte på, og en regjering som sier at dette vil vi ikke gjøre noe med. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Lier. Jeg satt selv med ansvaret for kommunens bidrag da bomben smalt i Nybyen i Drammen. Jeg har selv opplevd at flotte medlemmer av brannvesenet vårt omkom under redningsarbeid i en tunnelbrann. Det har lært meg hvor viktig det er å lytte til de behovene brannvesenet sier at de har, etter en grundig gjennomgang av risiko og sårbarhet. Søndre Follo Brannvesen oppdaterte sin ROS-analyse av Oslofjordtunnelen etter brannene i 2011 og ba om nødvendig utstyr.

Buskerud Fremskrittsparti og Akershus Fremskrittsparti hadde som sin store valgkampsak i 2013 å anskaffe brannbil til Oslofjordtunnelen umiddelbart. Buskerud Arbeiderparti syntes da, og synes nå, at forslaget er godt. Vi har støttet det, ikke bare i ord, men også ved å reise saken her i Stortinget. Stor var vår forbauselse da Fremskrittspartiet etter å ha kommet i regjering, ikke lenger vedkjente seg forslaget. Det er noe som ikke harmonerer i Fremskrittspartiets politikk, for å bruke statsrådens egne ord. For å prøve å lirke saken på plass foreslo vi derfor å forlenge innkrevingsperioden for bompenger i Oslofjordtunnelen med 1–2 uker. Det er det som trengs – det ville vært nok. Hvis noen hadde stilt seg opp utenfor tunnelen og spurt folk om de mente bommen kunne stå noen dager ekstra for å sikre at noen kunne redde dem den dagen det virkelig gjaldt, er jeg temmelig sikker på hva svaret ville bli. Men det var i strid med loven, kunne statsråden melde – særlig gjennom media, og på en litt sarkastisk måte. Men loven er jo menneskeskapt og kan skapes om. Derfor fremmer Arbeiderpartiets transportpolitikere nå et forslag som gjør det mulig – det er ikke noe pålegg – å bruke bompenger til nødvendig beredskap. Men igjen går Fremskrittspartiet imot, som igjen er vanskelig å forstå, men jeg ser i hvert fall at regjeringspartiene denne gangen strekker seg bitte litt når de sier at de eventuelt vil vurdere saken i forbindelse med reformarbeidet med bompengesektoren. Vi får fortsette å reise saken på ulike måter, så kanskje vi får lirket den på plass til slutt – før det brenner neste gang. Vi har mange tunneler i Norge, og mange av disse er

til å skaffe nødvendig utstyr der man skal bygge disse tunnelene – eller der man har tunnelene i dag. Statens havarikommisjon for transport laget etter brannen i Oslofjordtunnelen en rapport som ble avgitt i oktober 2013. Gjennom denne undersøkelsen har havarikommisjonen avdekket fem viktige sikkerhetsproblemer som har bidratt til å svekke systemsikkerheten omkring Oslofjordtunnelen, og som har medført at røyken. Jeg har lyst til å sitere to av disse problemene: «Oslofjordtunnelens sikkerhetsnivå gjennom beredskapsløsning og sikkerhetsutrustning var ikke tilfredsstillende sett opp mot trafikkveksten og -sammensetningen.» Og videre: «Oslofjordtunnelens brann- og redningsberedskap var ikke dimensjonert, utrustet eller organisert i forhold til hva som kan forventes hva gjelder lokalisering og størrelse

at tunnelen er ferdig, kan dukke opp behov som krever nye sikkerhetstiltak. I dag er det ved bygging åpning for å bruke bompenger til å finansiere styrking av sikkerheten, også til brannvesenet. Men det er ikke åpning for å bruke bompenger på slike tiltak på prosjekter som er ferdig bygget og i drift, og som fortsatt har bompengeinnkreving. Det er klart at man for framtida bør iverksette tiltak og stille nødvendige midler til rådighet for at lokale brannvesen nær disse risikotunnelene får investert i nødvendig utstyr og får opplæring for å kunne håndtere slike situasjoner bedre enn tilfellet er i dag – både ved byggingen og ved behov som oppstår på et senere tidspunkt. Jeg mener at man i framtida må ta kostnadene til et nivå må ta kostnadene til et nivå som er over minimum sikkerhetsnivå, slik at utstyr og opplæring når man bygger slike tunneler, er tilfredsstillende. Man må i tillegg til dette ha en ordning med fornying – og kunne dekke behov som oppstår på et senere tidspunkt. Dette vil man kunne gjøre ved å gå inn for Arbeiderpartiets forslag. Jeg oppfatter det sånn at dette er en diskusjon generelt om finansiering av sikkerhet i tunneler etter at de er bygd. Det er også

Men på grunn av dårlig samhandling – i notatet er det kalt kryssende ansvarsforhold, jeg vil nesten si interesseforhold – har vi nå igangsatt et utredningsarbeid hvor man vurderer å slå sammen elleve kommuners brannvesen i området. De forandringene som er gjort etter brannen, har resultert i at sikkerheten er på et meget trygt nivå nå. Jeg tror at komiteens tilrådning er god, da man går inn for at dette bør vurderes videre i bompengereformen som ministeren viste til. Jeg skal fatte meg i korthet. Min medrepresentant fra Buskerud Lise Christoffersen påpekte at brannbil i Oslofjordtunnelen var en av Buskerud Fremskrittspartis viktigste valgkampsaker. Det er er for så vidt riktig, og jeg kan forsikre om at vi fortsatt jobber for det, og at vi kommer til å fortsette med det inntil det løsning på nettopp denne utfordringen. Det er flere som har minnet om at det ikke er mer enn 14–15 måneder siden de rød-grønne faktisk stemte ned Fremskrittspartiets forslag om å anskaffe en slik brannbil. Sånn sett er det bra at Arbeiderpartiet nå ønsker å finne en løsning, men bruk av bompenger til dette prosjektet er altså i strid med loven, slik statsråden har påpekt. Beredskap er altså en ting som ikke naturlig skal dekkes via brukerfinansiering, selv om loven gir anledning til det i nye prosjekter. Regjeringen er skal dekkes via brukerfinansiering, selv om loven gir anledning til det i nye prosjekter. Regjeringen er ambisiøs med tanke på å finne en løsning og vil selvfølgelig da vurdere dette i forbindelse med bompengereformen. Så må en bare erkjenne at noen ting tar litt tid. Det gjorde det også for de rød-grønne, som heller ikke klarte å finne noen løsning på dette spørsmålet, selv om en nå gir uttrykk for å være veldig dedikert for å klare det. Jeg kan forsikre om at både Buskerud Fremskrittspartis stortingsrepresentanter og

Lise Christoffersen,

det forslaget – jeg tror det var forslag nr. 15 i en sak om forlengelse av bompenger på rv. 23 – gikk under vår radar. Hadde vi som representerer Buskerud Arbeiderparti, fått med oss at det forslaget ble behandlet i samferdselskomiteen – hvor vi heller ikke hadde noen representanter – hadde vi tatt den saken opp internt hos oss, for vi var heller ikke fornøyd med måten den ble håndtert på i forrige periode. så tok opp forslaget igjen i forbindelse med valgkampen, gikk vi umiddelbart ut og gjorde ikke noe forsøk på å skjule at det var en sak som hadde gått under vår radar. Vi sa at vi ga Fremskrittspartiet full støtte, og vi prøvde til og med å få løst saken under valgkampen før valget i 2013. Det rakk vi ikke, men vi fikk partiet på gli, og vi fikk medhold internt i Arbeiderpartiet i at dette var et fornuftig forslag å støtte. Da hadde vi trodd at Fremskrittspartiet skulle ta bølgen, skynde seg å fremme forslaget på nytt igjen og få vår støtte. når vi ikke greier å få Fremskrittspartiet med på å støtte sitt eget forslag. Ordbruken i valgkampen var som sagt at det var nærmest skandaløst at dette ikke var kommet på plass, og kom Fremskrittspartiet i regjering, skulle saken løses umiddelbart. Det var det som ble sagt. Flere har ikke bedt om ordet til sak
sak nr. 15. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.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

Nå dreier ikke saken i dag seg først og fremst om Hurtigrutens anløpsmønster, selv om det fra enkelte hold har blitt hevdet at det er en sammenheng, noe jeg skal komme nærmere inn på. Sakens kjerne er at hurtigruteskipet MS i april – for drøyt to år siden – sammenstøtte med hurtigrutekaia i Mehamn, den såkalte Nordkynterminalen. Etter at det skjedde ble en annen kai litt lenger inn i havna i Mehamn, den såkalte Industrikaia, anløpt en periode, før Nordkynterminalen igjen ble benyttet ved anløp. Fra januar i år har Hurtigruten ikke anløpt Mehamn i det hele tatt. Så vil jeg bare slå fast, dersom det skulle være noen som helst tvil: Det er Hurtigruten som rederi som har det overordnede ansvaret for driften av sine skip, og det er skipenes kapteiner som har ansvaret for skipenes daglige drift. drift. Det må det ikke være noen som helst tvil om. Samtidig må det være slik at det anløpsmønsteret som er bestemt i kontrakten mellom staten og Hurtigruten, skal følges. For oss som har fulgt med litt i denne saken, og i den store debatten som har vært i Mehamn og i Finnmark og langs kysten, kan det virke som om det her – fra Hurtigrutens side – har fra Hurtigrutens side – har blitt hevdet at stans i anløp i Mehamn skyldes sikkerhetsmessige vurderinger av samtlige av Hurtigrutens kapteiner, mens havnemyndighetene i Mehamn betviler dette, all den tid Hurtigruten jo en periode, eller faktisk ganske lenge, fortsatte å anløpe Mehamn etter sammenstøtet i april 2012. Situasjonen har vært – slik vi har registrert – ganske så fastlåst. fastlåst. Forslagsstilleren har derfor foreslått at regjeringen skulle gi Kystverket i oppdrag å foreta en faglig vurdering av anløpsforholdene i Mehamn, og også at Kystverket skulle komme med tilrådning om hvilke tiltak som kunne iverksettes. Det høres i utgangspunktet ut som et fornuftig forslag, men samferdselsministeren har i korrespondansen med komiteen svart at dette ville være uheldig, rett og slett fordi det ikke er Kystverkets ansvar å vurdere kaiforhold og havneforhold. Det er havnemyndigheter og rederi som – alle steder – har ansvaret for å se på tilstanden til kaier rundt omkring, og det forholder komiteen seg til. Det skal ikke være noen som helst tvil om at det skal være kapteinen og rederiet som har ansvaret for de sikkerhetsmessige vurderingene knyttet til navigasjon og manøvrering. Men jeg må også si: Staten kjøper altså tjenester fra Hurtigruten på strekningen Bergen–Kirkenes for svært store summer, da må også Hurtigruten levere tjenester i tråd med kontrakten og de krav som er satt fra statens side. Komiteen har derfor funnet det nødvendig å slå fast at det vedtatte anløpsmønsteret skal følges. Forrige fredag var jeg i Mehamn og hadde møte med berørte myndigheter – kommunen, havnemyndighetene, fylkeskommunen. Hurtigruten og Kystverket var også til stede. Det ble på det møtet opplyst om at hurtigrutekaia ved Nordkynterminalen vil være ferdig utbedret i september. Det er derfor gledelig å slå fast at en enstemmig komité nå forutsetter at Hurtigruten starter å anløpe Mehamn igjen umiddelbart etter at kaia er ferdig. Jeg vil takke stortingsrepresentanten Johnny Ingebrigtsen som har satt saken på dagsordenen. Det ser nå ut til at saken får en lykkelig slutt – til slutt – og det er altså en enstemmig komité som står bak dagens innstilling. Som påpekt av saksordføreren, er

Det er vi for vår del svært skeptiske til, siden det utfordrer prinsippet om at det er rederiet og skipets kaptein som er ansvarlig for sikker drift av skipene. Ved å la en statlig etat som Kystverket gå inn og gjøre faglige vurderinger av anløpsforholdene og sikkerheten, vil vi utfordre dette prinsippet og legge opp til et system der rederiet og skipets kaptein blir overprøvd i sikkerhetsmessige vurderinger. Et slikt system ville svært uheldig og føre til en pulverisering av ansvaret – noe som ingen er tjent med. Jeg registrerer også at forslagsstilleren ikke ønsker en politisk overstyring av de vurderingene som skipets kaptein gjør, og det er bra. Når det er sagt, er vi svært bekymret for den situasjonen som har oppstått. Hurtigruten og dets kapteiner mener at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å gå til kai før den er utbedret, mens den lokale havnemyndigheten betviler dette. Bakgrunnen for tvilen skyldes at Hurtigruten periodevis anløp kaia etter at skaden hadde oppstått, mens man senere innstilte anløpene fullstendig. Jeg har forståelse for tvilen som har oppstått og vil oppfordre partene til en god dialog. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke påvirker prinsippet om at det er rederiet og skipets kaptein som er ansvarlig for skipets sikkerhet. Staten kjøper tjenester for store summer hvert år av Hurtigruten, og det forutsettes at det vedtatte anløpsmønsteret skal følges. er av stor betydning for lokalsamfunnene det gjelder, for hele landsdelen og for Hurtigruten som en viktig institusjon langs kysten. Derfor er det viktig hele tida å legge til rette for at anløpsmønsteret kan opprettholdes, og at eventuelle avvik blir håndtert. I det ligger det også en henstilling om å se nærmere på de økonomiske sidene av avtalen med Hurtigruten og hvorvidt slike situasjoner er godt nok ivaretatt i avtaleverket og eventuelt hvilke konsekvenser det skal ha. Vi har klare forventninger til at anløpene i Mehamn blir gjenopptatt når kaia er ferdig utredet og ser med glede fram til at det skal skje så snart som mulig.

Hegnar. Det andre var at saksordføreren hadde hatt skinnlua langt nedover øynene og kanskje øreklaffene over ørene da han var i Mehamn. Men når jeg nå hører saksordføreren, som har gjort en veldig god jobb og reist opp til Mehamn, fortelle fra turen, både hører og vet jeg at skinnlua ikke har vært på hodet – i hvert fall ikke over øynene og ørene. Et par punkter: Jeg stusser over statsrådens vurdering når vi har bedt om å få Kystverket til å

det er det ingen som kan rokke ved – også når det gjelder sikkerhet. Dette handler ikke om det. Jeg er skipper selv, og dette lærte jeg som guttunge. Slik er det. Dette handler om å bruke statens organ og organisasjon – i dette tilfellet Kystverket, som er meget dyktige – til å prosjektere farledene og seilingsledene våre,

slik at Kystverket har losene, en lostjeneste. De har også høy kompetanse, både langsmed leiene og inne i selve havnene, for der ferdes de, og der er det egne utsjekk for de forskjellige seilingsområdene. Når man reiser tvil dette, som innbyggerne i Gamvik kommune har gjort, må vi gjøre noe. Saksordføreren sier jo at det er et reelt forhold. Kommunestyret har også drøftet dette. Ordføreren er opptatt av dette. Næringslivet er opptatt av det. Hva skal vi gjøre med det? For vi kjenner vel alle sammen at dette er et problem, og da må vi bruke de fagorganene og de instansene vi har, for å få dette til. Det har aldri vært snakk om å overprøve

Men det hører også med til historien at tidligere flaggkaptein With i Hurtigruten mente at den kaia som er innerst i Mehamn havn, var den beste. Det var det som var årsaken til at Gamvik kommune havnet på ROBEK-listen da man bygget den ut til Aker Seafoods. Der har Hurtigruten anløpt. Hvorfor kan man ikke bruke den? Det er det flere av oss som kjenner litt til forholdene, som stusser ved, for den har vært benyttet tidligere.

Samtidig er det sånn at en jobber med å utbedre den havnen, og en tar sikte på at et normalt anløp vil gjenopptas, etter det jeg får opplyst, fra ca. august–september. Det betyr at denne saken kan nærme seg en lykkelig slutt – endelig. Da vil en se om de bekymringene som en har gitt uttrykk for, er reelle, eller om dette faktisk er en konsekvens av at havnen ikke var i den stand den burde vært. Hvis Hurtigruten begynner å ta opp anløpene, er det ingen grunn til å tvile på at kapteinens beslutning om at dette ikke var trygt nok, er den reelle, riktige. Jeg konstaterer at en enstemmig komité fastholder prinsippet om at det er rederiet som har det overordnede ansvaret for sikker drift av sine fartøy, og at det er den enkelte kaptein som har ansvaret for sikker og daglig drift av sitt fartøy. Jeg vil advare mot de tendensene vi har sett i flere sånne saker nå, at en ber regjeringen gripe inn – i denne saken helt konkret, men òg da vi for noen saker siden skulle begynne å kikke på enkeltjernbanestasjoner gjennom debatt i Stortinget. Jeg er glad for at komiteen i denne saken er enig i at det ikke er grunnlag for å be Kystverket om å foreta en faglig vurdering av havneforholdene, noe som ville være en overprøving av den sikkerhetsvurderingen som Hurtigruten og kapteinene har gjort. gjort. Det faller i tillegg utenfor Kystverkets ansvar. Jeg er selvsagt enig med komiteen i at den inngåtte kontrakten med Hurtigruten forplikter selskapet til å levere de tjenester som er avtalt. Hurtigruten står følgelig ikke fritt til å velge å sløyfe anløp som er avtalt, etter eget forgodtbefinnende. Jeg vil presisere at det er nettopp den sikkerhetsvurderingen som er knyttet til havneforholdene med skadet kai, som er grunnlaget for at departementet, inntil kaien er utbedret, har samtykket i at anløpene i

Da kunne det vært interessant å stille spørsmålet ikke til ministeren, men til Hurtigruten: Var det da uansvarlig av Hurtigruten å fortsette å anløpe i Mehamn? Men det er i grunnen ikke det som er spørsmålet. Det er alvorlig for et sted som Mehamn at Hurtigruten kanskje vil la være å anløpe stedet i 8–9 måneder.

så mange måneder ikke har hatt hurtigruteanløp? La meg først si at jeg tviler sterkt på at Hurtigruten har gjort dette med vilje. Selv om de var årsaken til at havna ble ødelagt, tror jeg det går på kontoen for uhell. Jeg har snakket med folk som er los, som sier at ofte er det slik at selv om forholdene ikke er ideelle, vil gjerne kapteinen eller losen, hvis en slik er om bord, prøve å få ting til å fungere etter de forholdene som er. Derfor kan det hende at det i en periode er anløp til kaianlegg som ikke er så gode som de skulle vært. Til slutt sier man at

havna, som Ingebrigtsen beskrev veldig detaljert i sitt innlegg. I kommunikasjonen mellom komiteen og statsråden i saken har også komiteen stilt spørsmål om dette vil få noen økonomiske konsekvenser for Hurtigruten. Departementet viser – og det forstår vi – til bestemmelsen

Hurtigruten er et av de få alternativene for å nå ut til omverdenen når både rv. 888 og flyplassen er stengt på grunn av uvær. Og man utfordrer ikke været en skikkelig uværsdag. Det hadde vi nok av i vinter, og jaggu fikk vi også en liten ettersmak av vinteren på mandag som var. Når Hurtigruten heller ikke var, eller er, et alternativ – ja, da ble det uro i lokalsamfunnet Mehamn. Det å miste et etablert kommunikasjonstilbud gjør noe med å miste et etablert kommunikasjonstilbud gjør noe med dem som blir rammet, bl.a. kan en føle seg utrygg i sin hverdag. En slik følelse av utrygghet bidro også til at saken ble satt på den politiske dagsordenen. Lokalsamfunnet mente at Hurtigruten kunne anløpe en alternativ kai inntil reparasjonen på hovedkaia var ferdig, men det ville og kunne ikke Hurtigruten gjøre på grunn av sikkerheten til skipet og dets passasjerer – en avgjørelse som det var vanskelig for befolkningen å akseptere, og det forstår vi alle. Spesielt utfordrende ble det ved at de lokale havnemyndighetene betviler Hurtigrutens avgjørelse, ettersom Hurtigruten periodevis har anløpt Mehamn etter sammenstøtet med kaia i april 2012. Dermed oppsto det en fastlåst situasjon, noe som også påpekes i komitéinnstillingen. Jeg stilte statsråden et skriftlig spørsmål med samme innhold som representantforslaget vi nå behandler. Svaret var det samme som er vedlagt denne saken. Jeg stiller meg bak de vurderinger statsråden og komiteen gjør i den

Det samme gjelder min holdning til forslagsstillerens ønske om at Kystverket skulle innta en form for meglerrolle i uenigheten mellom lokale havnemyndigheter og Hurtigruten. Det ville ikke være riktig, og jeg – uten å ha snakket med Kystverket – vil heller ikke tro at det er noe Kystverket ønsker. Så vil jeg være like tydelig som saksordføreren var da han sa at det anløpsmønsteret som er bestemt i kontrakten mellom staten og Hurtigruten, skal følges. Så vil jeg være like tydelig som saksordføreren var da han sa at det anløpsmønsteret som er bestemt i kontrakten mellom staten og Hurtigruten, skal følges. Avslutningsvis vil jeg si at jeg på vegne av befolkningen i Mehamn er fornøyd med at det ser ut som om hurtigrutekaia ved Nordkynterminalen vil være ferdig utbedret i august–september 2014. Det er vel ikke nødvendig å si det, men det ligger klare forventninger i lufta om at Hurtigruten anløper Mehamn umiddelbart etter at kaia er ferdig. Jeg tror nok ikke vi trenger be noen følge med på om det skjer. Jeg er sikker på at om ikke det skulle skje, får vi høre det også her

Finnmark var varmeste fylke i Norge den dagen. Det var sol, det var varmt vær, det var storartet å være i Mehamn. Det var rett og slett ikke bruk for skinnlue i det hele tatt. Etter et møte med dem jeg nevnte i stad – hvor vi sørfra nok vil si at språkbruken til tider var litt hvassere og kraftigere enn det vi er vant til – gikk alle sammen og spiste boknafisk og koste seg som en bare kan gjøre på en plass som Mehamn. Forslaget til Ingebrigtsen er trøblete, sier Samferdselsdepartementet, fordi – som det sies i korrespondansen – det er ikke Kystverkets ansvar å vurdere kaienes beskaffenhet. Det blir et forhold mellom rederi og havnemyndigheter. Det forholder vi oss til, selv om jeg skjønner at det er litt ulike oppfatninger om det. Men det som kanskje er like viktig, er at jeg vil tro at hvis vi skulle be Kystverket sette i gang en sånn prosess nå, vil det nødvendigvis ta noe tid. Det nærmer seg ferietid i Norge med stormskritt. Vi vet at midt på sommeren er det et par måneder da ting kan ta ekstra tid. Det ble opplyst på befaringen forrige fredag at kaia ved Nordkynterminalen – altså den kaia som er ødelagt den kaia som er ødelagt – nå er under utbygging, og at kaia er ferdig i begynnelsen av september. Det er ikke veldig lang tid, så jeg er opptatt av at vi nå ikke gjør noe som kan forsinke det hele. Saken ser ut til å ha løst seg – etter kanskje litt mye støy. etter kanskje litt mye støy. Etter at saken fikk en litt trøblete start og partene kanskje ikke var helt på talefot, virker det som om alle nå er opptatt av å finne løsninger. Jeg understreker nok en gang det en enstemmig komité sier, at så fort kaia er utbedret, forutsettes det at Hurtigruten gjenopptar anløpene sine i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

Vi ønsker at flere skal bruke kollektive transportmidler. Da må det bli enklere å velge gode, tilpassede løsninger i hverdagen. Et felles billettsystem vil trolig få flere til å bruke kollektive transportmidler, og det vil igjen kunne skape et bedre tilbud innen transportsektoren. Komiteen mener det blir viktig å se på erfaringer med felles billettsystem som fungerer godt i andre land. Men vi vet at et slikt system kan by på utfordringer for oss, særlig på grunn av de ulike prisnivåer vi har i landet vårt. Forslagsstillerne viser til Tyskland, hvor de har klart dette, og at tyskerne bruker systemet i mer enn hundre tyske byer. Et slikt felles billettsystem vil trolig føre til en styrket konkurranse mellom aktørene, fordi alternative reisemuligheter lettere kan bli synliggjort. Det er viktig å tilrettelegge for et større mangfold av aktører i transportsektoren. Et slikt system kan Komiteen mener videre at en felles ruteplanlegger, sammen med et felles billettsystem, vil gjøre det enklere for kollektivtransportbrukerne. Dette vil være særdeles viktig når man skal reise over regiongrensene. Vi vet også at det å gjøre ting enklere for folk flest vil være av avgjørende betydning for om det vil lykkes å få folk til å strømme til egen regning vil jeg tilføye at vi har hatt en lignende sak til behandling i Stortinget tidligere, Dokument nr. 8:55 for 2008–2009 om en nasjonal ordning med elektronisk «køfri»-billett på kollektivreiser. Saken fikk den gang bare stemmer fra opposisjonen, som den gang var Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Til slutt: Denne gangen er det – som jeg har sagt tidligere – en samlet komité som står bak forslaget. Forslagsstillerne deriblant vår gode kollega Abid Raja – bør være fornøyd med dette.

har på bordet. Jeg skal ikke si så mye mer om dette, for jeg synes representanten Godskesen sa det veldig godt. Men det er to ting som jeg tenkte jeg kanskje ville spørre statsråden om, slik at jeg ikke bruker replikkene etterpå. Dette er en viktig sak for alt det saksordføreren har nevnt, men det er også en viktig sak for arbeidsvilkårene for kollektivtransportens ansatte. I Arbeiderpartiet tenker vi at et felles elektronisk billettsystem også betyr at en er et godt stykke på vei mot kontantfri kollektivtrafikk, noe som vil redusere risikoen for billettene. Da lurer jeg på om statsråden kanskje i sitt innlegg kan si noe om han kunne tenkt seg samtidig å se på muligheten for å tenke kontantfrie reiser, som er et tema som Transportarbeiderforbundet og de ansatte er veldig opptatt av. Den nasjonale reiseplanleggeren ble vedtatt i Stortinget i 2006. Jeg har ikke tenkt å klandre statsråd Ketil Solvik-Olsen for at han ikke har gjort noe, for det skal ikke han ha ansvaret for, men jeg vet at mange er opptatt av det, inkludert meg selv. Jeg vet bare at dette arbeidet var i gang, det var kommet et stykke på vei, og NRK var inne i bildet med tanke på å at det var de som skulle gjøre det, men så trakk de seg ut. Vi har sett i media at andre er interessert i å overta dette. Jeg lurer bare på om statsråden kunne sagt noe om hvor en er hen, og om det er noe som er interessant med tanke på faktisk å kunne få

forgårs at Stortinget på tirsdag kom til å vedta dette systemet. Lite visste de om hvor glad vi i Stortinget er til å prate – så glad i å prate at vi nå har pratet i over 15 timer, over midnatt. Nå kommer vi ikke til å vedta dette på tirsdag, regner jeg med, for nå er det egentlig onsdag. Men seieren er viktig likevel, og det er fordi transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Mange steder er det mye kø på veiene. på veiene. Venstre og jeg har fremmet dette fordi vi er opptatt av at det skal bli enklere å ta grønne valg i hverdagen. Systemene må ikke hindre folk i å reise kollektivt. Særlig problematisk er dagens mangel på et felles system for reisende på Østlandet som kommer fra et annet fylke og skal inn til Oslo og Akershus med tog eller ekspressbuss. I andre deler av landet finnes det heller ikke felles rutedatabaser, slik at effektiv reiseplanlegging for oss forbrukere er vanskelig, for ikke å si umulig. Kollektivsystemet må gjøre det enklere å planlegge, betale for og foreta reiser fra A til Å. Gleden jeg har av å få gjennomslag, er litt betinget, for denne salen har gjort flere slike vedtak tidligere om nasjonal reiseportal og felles billetteringssystem, men det har stanset opp. Det er synd, for det er en viktig og sentral del av utviklingen av kollektivsystemet. Selv om vedtak er gjort før og ingenting har skjedd, er jeg denne gangen mer optimistisk. Hvorfor? Jo, fordi samtlige partier stiller seg bak at det skal være mulig å reise sømløst over hele landet, og vi har en samferdselsminister som så langt har vist handlevilje og handlekraft. Jeg håper og tror han vil demonstrere dette også i denne saken. Dette vedtaket er ment som en påminnelse, kanskje et dytt eller påtrykk fra Stortinget, for at dette skal gjennomføres så raskt som mulig. mulig. Jeg skal love å følge med på hva statsråden gjør for å følge opp, slik at vi får et billettsystem for kollektivtrafikk. I tillegg har jeg i dag – eller i går – bedt alle fylkestingsrepresentantene fra Venstre om å presse på for at de regionale kollektivselskapene tilpasser seg et nasjonalt system fortest mulig. En av grunnene til at det har tatt så lang tid, er at det er mange parter å samordne. Jeg håper derfor at de andre partiene også snakker med sine fylkespolitikere om at de må være med på å ta et ansvar for at dette blir gjennomført. Da bør fylkeskommunene delta aktivt i samordningsarbeidet, tilpasse sine billettsystemer til Vegvesenets håndbok for elektronisk billettering og eventuelt bevilge midler til omlegging til nasjonalt system. I Tyskland klarer de å ha ett kort som gir tilgang på både tog, buss, bysykler, passasjerbåter, bildelingsordninger, osv. Tenk det – ett kort eller én app som gir deg nasjonal tilgang til alle kollektive ordninger! Ta flyet fra Kirkenes, land i Oslo, gå rett av Flytoget, ta trikken, lei bysykkel, eller gjør hva du vil, og du trenger bare ett kort. Du klarer deg uten å fikle eller lete etter billettsystemer og forsøke å skjønne hva andre fylker har av systemer. Når de klarer det i et land som Tyskland,

storting gir statsråden denne oppgaven, ser jeg fram til en rask og effektiv framdrift fra statsråden. Den største glede en kan ha, er

for å gi et svar som var Stortinget verdig. Det forslaget som nå vedtas, derimot, er vi veldig godt fornøyd med, for med det får vi en jobb som vi kan gripe fatt i med en gang, og jeg tror også vi kan gi resultater nesten så raskt som representanten Raja kunne ønske. For her har det vært gjort et arbeid over lang tid gjennom en nasjonal reiseplanlegger. Det har også blitt et prosjekt som dessverre har blitt fryktelig dyrt kanskje litt i mange ulike retninger. I det siste har vi faktisk brukt en del tid på å se på hvordan vi kan få det til å bli et godt produkt, og det vil nok være basisen for å innfri det vedtaket som Stortinget nå vil gjøre. I den forbindelse er det viktig, som òg representanten Raja tar opp, at vi har 19 fylkeskommuner som òg har sine kollektivselskap – kanskje flere aktører. aktører. Det å få til et nasjonalt billett- og rutesystem betyr at alle de som driver med kollektiv transport i dag, må samarbeide om å få levert inn rutene i et felles system. De må gjerne samarbeide om å få en felles app istedenfor 19–20 forskjellige apper, slik at en ikke sitter og tviholder på akkurat det en selv ønsker, men ser på hvordan en kan få dette til å fungere på tvers av selskaper, på tvers av fylkesgrenser og på tvers av om det er offentlig eller privat eid. Den jobben er vi for så vidt i gang med, ved at vi prøver å ta kontakt med de største kollektivselskapene for å se på viljen deres. Her tar vi imot all hjelp vi kan få ved at en presser på overfor sine lokale politikere og sine partier om å vise en åpen vilje til det. Vi har selvsagt ikke tatt en beslutning i dag om hvilken aktør som eventuelt skal kommersialisere dette, hvilken tjeneste og hvilken app-løsning en skal ha. Det vil være et arbeid som skjer i samarbeid med aktørene, og sannsynligvis vil det også måtte være en anbudsprosess i den forbindelse. Det er ting vi må se an. Fordelene med dette er det ingen tvil om. Som reisende vil du kunne sitte ett sted og gå inn på én webside eller én app og finne det reisemønsteret du trenger for din daglige pendling.

få til det alle partiene ønsker, nemlig at folk skal reise kollektivt inn til byene – rett og slett fordi det ikke er plass til alle privatbilene – tror jeg en må gjøre det attraktivt for folk som ellers ville kjørt bil, å reise kollektivt. Da handler det om frekvens, det handler om forutsigbarhet, det handler òg om å gjøre det lettvint, og et felles billettsystem vil gjøre det lettvint. Så er det en annen utfordring med dette, og det er takstsystemet.

Skal man få til tekniske løsninger, må man gjøre prisstrukturen enkel, så det faktisk er mulig å programmere – og forutsigbart. Her er det en jobb å gjøre, og da må alle aktørene vise god vilje. Men jeg er glad for den støtten Stortinget gir til forslaget fra Venstre – i den formen det endelig fikk. Det er en veldig klar marsjordre til oss, og den skal vi levere på som raskt som mulig.

nå er det

er vi klare til å

Da er vi klare til å gå til votering. er det satt frem i alt åtte forslag. Det er forslag nr. 1, fra Knut Storberget på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 2–7, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 8, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Karoline Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti forslag nr. 8, fra Kjersti Toppe på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 9 og 10 fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 11 og 12, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 13, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet Det voteres over forslag nr. 13, fra Senterpartiet. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om seksuell helse og forebygging av abort som har

Dokument 8:86 S for 2013–2014, fra Else-May Botten, Line Henriette Hjemdal, Pål Farstad og Rasmus Hansson. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av 2014 om bedret sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres.» Ved fremsettelsen av forslaget tidligere i dag ønsket forslagsstillerne at det skulle behandles etter bestemmelsen i Stortingets forretningsorden § 39, annet ledd, punkt c, som innebærer at det «legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling». Den videre behandlingen av forslaget må imidlertid vurderes etter bestemmelsen i § 38 siste ledd, som sier: «Når et forslag er endelig avgjort, må forslaget ikke bringes frem igjen eller tas opp på nytt i samme stortingssesjon.» Et forslag som er nær identisk med det som foreligger, ble forkastet i Stortingets møte sist fredag, og det blir følgelig rammet av nevnte bestemmelse. I bestemmelsen i § 38, siste ledd, står det imidlertid videre: «Er det påtrengende nødvendig kan Stortinget likevel fatte vedtak om at et forslag tas opp til ny behandling, forutsatt at det igjen blir komitébehandlet.» Som begrunnelse for at de mener det er påtrengende nødvendig å behandle forslaget på nytt, anfører forslagsstillerne at grunnen til at forslaget ikke ble vedtatt i møtet 13. juni, var at det ikke var riktig «balanse» mellom partigruppene. Dette skyldtes en feil i utbyttingen. Presidenten anser ikke at denne årsaken til at voteringsresultatet ble feil, er en påtrengende nødvendig grunn til at Stortinget skal fatte vedtak om å ta forslaget opp til ny behandling. Presidenten foreslår derfor at behandlingsmåten av representantforslaget, Dokument 8:86 S for 2013–2014, må bli i samsvar med § 39, annet ledd bokstav e, som innebærer at forslaget ikke tas under behandling.

Det er også et viktig element at det ikke står i motstrid til andre vedtak som er gjort i saken. Derfor fremmer jeg et forslag om at saken sendes til næringskomiteen, og så må næringskomiteen bidra til rask behandling av saken. Representanten Geir Pollestad har da fremmet forslag om at Dokument 8:86 S for 2013–2014 sendes til Presidenten ser ingen grunn til å åpne for en debatt om dette temaet, og det er heller ikke blitt forlangt, men jeg legger opp til en alternativ votering, og det vil kanskje være nødvendig med stemmeforklaringer.

Jeg anbefaler Kristelig Folkepartis gruppe å stemme for at saken sendes til næringskomiteen. Da regner jeg med at det skulle være klart. Det voteres alternativ mellom presidentens forslag om at Dokument 8:86 S for 2013–2014 ikke tas under behandling, og Pollestads forslag om at Dokument

Dokument 8:86 S for 2013–2014 sendes til komitébehandling. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. –Møtet er hevet.